under representanten Jenny Klinges permisjon, fra og med 19. mars og inntil videre, av velferdsgrunner. Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet: Søknaden behandles straks og innvilges. Andre vararepresentant for Møre og Romsdal fylke, Knut Sjømeling, innkalles for å møte i permisjonstiden. Knut Sjømeling er til stede og vil ta sete. Det foreligger fire permisjonssøknader: fra representanten Freddy de Ruiter om foreldrepermisjon i tiden fra og med 19. mars til og med 1. april fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Laila Gustavsen fra og med 19. mars og inntil videre fra Høyres stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Ivar Kristiansen fra og med 19. mars og inntil videre fra representanten Jan Arild Ellingsen om permisjon i tiden fra og med 19. mars til og med 22. mars for å delta i møte i NATOs parlamentariske forsamling i Qatar Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt. Fra første vararepresentant for Buskerud fylke, Kjell Børre Hansen, foreligger søknad om å bli fritatt for å møte i Stortinget under representanten Laila Gustavsens permisjon, av velferdsgrunner. Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet: Søknaden behandles straks og Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden: For Aust-Agder fylke: Line Vennesland 19.–30. mars For Buskerud fylke: Nina Mjøberg 19. mars og inntil videre For Nordland fylke: Jonni Helge Solsvik 19. mars og inntil videre og Kari Storstrand 19.–22. mars Line Vennesland, Nina Mjøberg, Jonni Helge Solsvik og Kari Storstrand er til Line Vennesland, Nina Mjøberg, Jonni Helge Solsvik og Kari Storstrand er til stede og vil ta sete. Representanten Øyvind Håbrekke vil fremsette et representantforslag.

På denne måten kan forbrukerne være trygge på at produktet er trygt. Ingen genmodifiserte organismer er foreløpig godkjent til mat i Norge. De multinasjonale selskapene Monsanto og Bayer CropScience har søkt om å få selge to typer genmodifisert mais og en type raps. Disse er forskjellige fra vanlig mais og raps ved at de tåler sprøytemidler. Bayer CropScience står bak en genmodifisert maissort som tåler et sprøytemiddel som er så helseskadelig at det er forbudt i Norge. Årsaken er at dette sprøytemiddelet kan gi akutte og kroniske skadevirkninger på hjerne, på forplantningsevne og på foster i pattedyr, inkludert menneske. Den andre maisen og rapsen, fra Monsanto, er så de tåler selskapets mestselgende sprøytemiddel. Norge har en restriktiv politikk på GMO-området. Å godkjenne GMO-mais og GMO-raps til mat og fôr vil derfor være noe helt nytt i Norge, og det vil bryte en viktig barriere som sikrer norske forbrukere GMO-fri mat. Jeg vil anta at utenriksministeren og jeg ikke har særlig lik garderobe, men det er i hvert fall én ting vi har til felles: Våre garderobeskap inneholder begge en T-skjorte med påskriften «Jeg elsker genteknologiloven», gitt av Nettverk for GMO-fri mat og fôr til politikere med et klart mål om å avverge at Norge for første gang vil importere genmodifisert mat. mat. Det er god grunn til at vi begge elsker genteknologiloven. Det er nemlig den som forplikter oss til å legge vesentlig vekt på også andre kriterier enn helse og miljø, nemlig etikk, bærekraft og samfunnsnytte, i vurderingen av om GMO-er skal bli godkjent i Norge. Miljøvernministeren har på skriftlig spørsmål fra og en rekke andre representanter svart at «de aktuelle søknadene inneholder i liten grad informasjon som belyser våre», dvs. Miljødepartementets, «omfattende vurderingskriterier» på disse områdene. Miljøvernministeren viser videre til at Miljøverndepartementet har etterspurt ytterligere informasjon fra søkerne om etiske forhold og produktenes bidrag til bærekraftig utvikling og samfunnsnytte. Søkerne har ikke bidratt med informasjon som belyser saken. Jeg tar meg derfor den frihet å benytte den øredøvende stillheten til å belyse disse vurderingskriteriene. Samfunnsnytten av den genmodifiserte maisen er lik null. Den endrede egenskapen hos den genmodifiserte maisen har ingen anvendelse her hos oss, da sprøytemiddelet er forbudt. Økt bruk av skadelige sprøytemidler er Økt bruk av skadelige sprøytemidler er ikke et bidrag til bærekraftig utvikling. Det er heller ikke etisk uproblematisk å tillate import av produkt som er så skadelige å produsere at vi ikke tillater produksjon i Norge. Bioteknologinemnda er tilnærmet enstemmig – 15 stemmer mot 1 – med hensyn til at de tre søknadene ikke oppfyller genteknologilovens krav. Videre er det bred motstand mot GMO i Norge. Rundt 30 organisasjoner, inkludert alle bondeorganisasjonene, en rekke miljø- og solidaritetsorganisasjoner samt Forbrukerrådet, Nei til EU og Coop Norge Handel har gått imot godkjenning av disse GMO-ene. Den brede motstanden står i kontrast til stillheten på den andre Ingen aktører har sagt offentlig at de vil ha disse GMO-ene. Regjeringen har fått gode innspill fra vurderingskriteriene fra andre instanser og burde ha tilstrekkelig med kunnskap til å avvise de aktuelle GMO-ene. Jeg er glad for at regjeringen i Soria Moria II-erklæringen skrev at

og vise aktsomhet når ny teknologi tas i bruk, herunder videreføre en restriktiv GMO-politikk.» Den slår også fast følgende: «Utsettingsdirektivet, som omhandler regelverk for utsetting av levende GMO, er innlemmet i EØS-avtalen med tilpasninger som gjør at Norge kan ta hensyn til bærekraft, etikk og samfunnsnytte ved nasjonal godkjenning av GMO.» Følger regjeringen opp sin egen politiske plattform om den blir den første regjeringen som godkjenner genmodifisert mat? Det er spørsmålet. Genmodifiserte organismer er omstridt over hele verden, og en rekke land har vedtatt midlertidig eller permanent forbud mot bestemte genmodifiserte produkt. I Ungarn har landets nye grunnlov innført en egen bestemmelse om at alle har rett til sunn mat som er fri for GMO. Moratoriet mot genmodifiserte planter og dyr i Sveits fra 2005 ble i 2010 forlenget i ytterligere tre år. Tyskland og Frankrike har forbudt dyrking av GMO. India innførte moratoriet mot Et nei vil derfor følgelig ikke gjøre Norge til et annerledesland, men snarere være i tråd med hva mange andre myndigheter beslutter. Spørsmålet blir da hvilket handlingsrom vi har, hvilket handlingsrom vi ønsker oss, og hvordan vi akter å bruke det. I WTO-sammenhengen reguleres handlingsrommet i all hovedsak av Generalavtalen for toll og handel, GATT, og bestemmelsen i artikkel XI:1 om og bestemmelsen i artikkel XI:1 om forbud mot å etablere importbegrensninger. Da bestemmelsene ikke gjelder landbruks- og fiskeriprodukter, vil ikke en norsk importbegrensning av GMO-raps og GMO-mais stride mot WTO-avtalen. Det er imidlertid et vilkår at importlandenes produksjon av den varen det etableres importbegrensninger for – i dette tilfellet GMO-mais og er relativt ubetydelig. I og med at Norge verken produserer GMO-mais eller GMO-raps, skal ikke dette by på noe problem. Det er ikke et generelt forbud mot GMO Norge vil innføre, kun mot tre sorter GMO. Vil utenriksministeren si seg enig i at WTO-avtalen i dette tilfellet gir Norge full frihet til å følge godkjenningskriterier i genteknologiloven? Å godkjenne GMO-mais til mat og fôr vil være noe helt nytt i Norge, og det vil bryte en viktig barriere og gjøre det vanskelig for landbruket å forbli GMO-fritt, slik ønsket er fra en samlet næring og fra forbrukerne. Jeg vil derfor avslutte med å gjenta spørsmålet i interpellasjonsteksten: Hvilke tiltak vil utenriksministeren iverksette for å opprettholde Norges restriktive GMO-politikk i det internasjonale handelsregimet? Jeg ser fram til utenriksministerens svar. La meg først få lov til å oppklare en åpenbar misforståelse: Jeg tror det er

Dette er en politikk som trolig er blant de strengeste i verden, og regjeringen har ingen planer om å endre denne politikken – la meg slå det fast. Det normale forløpet for godkjenning av nye produkter i EØS er at når en vare er godkjent i én del av EØS-området, er den også godkjent for bruk i resten av EØS-området. Dette gjelder ikke uten videre for GMO-er. EUs utsettingsdirektiv, som er en del av EØS-avtalen, regulerer markedsføring og utsetting av levende GMO, herunder også dyrking. Ved søknader om godkjenning av en GMO vil det foretas en vitenskapelig risikovurdering av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA. Hvis omsetning av organismen godkjennes, vil den i prinsippet kunne kjøpes og selges i alle land innenfor EØS-området. Hvert land har imidlertid anledning til å bruke direktivets sikkerhetsklausul og reservere seg mot en slik omsetning dersom de mener at produktet utgjør en risiko for helse eller miljø. Det har vært – og er – viktig for regjeringen å sikre grunnlaget for vår restriktive GMO-politikk. Derfor fikk vi på plass en tilpasningstekst da utsettingsdirektivet ble innlemmet i Dette betyr at vi kan gjøre en egen norsk vurdering i henhold til genteknologiloven utover den vurderingen som er gjort i EØS, og loven pålegger oss å vurdere etikk, samfunnsnytte og bærekraftig utvikling, i tillegg til helse- og miljørisiko. Utsettingsdirektivet, som omhandler markedsføring og utsetting av levende GMO, har vært en del av EØS-avtalen siden EØS-avtalens iverksettelse. Det arbeides nå i tillegg med innlemmelse av en annen rettsakt, forordningen om genmodifisert mat og Denne forordningen regulerer godkjenning av mat og fôr som består av, inneholder eller er produsert fra genmodifiserte organismer. Vi er ennå ikke ferdige med forhandlingene med EU om innlemmelse av denne forordningen. På norsk side har vi kommet til at innholdet i forordningen i hovedsak samsvarer med gjeldende norsk regelverk. Men – og dette vil jeg understreke – vårt prinsipielle utgangspunkt er at vedtak fattet av EU-organene i disse sakene ikke skal ha direkte virkning i Norge. Vi har derfor foreslått at forordningen tilpasses i tråd med de rammer Grunnloven setter. I forhandlingene med EU har vi derfor fremlagt forslag til tilpasningstekst som bygger på den tilpasningen vi har fått til utsettingsdirektivet. Det er imidlertid klart at det vil stilles strenge krav til vitenskapelig begrunnelse for norske forbud. Men adgangen til å vektlegge etikk, bærekraft og samfunnsnytte – i tråd med genteknologiloven – vil gi et bredere grunnlag for forbud av formerings- eller spiredyktig GMO.

Det skal vurderes om utsetting eller annen bruk er etisk forsvarlig, og det skal legges vesentlig vekt på om utsettingen har samfunnsmessig nytteverdi og er egnet til å fremme en bærekraftig utvikling. Regjeringen vil videreføre denne praksisen selv om GMO-ene skulle være tillatt i EØS-området for øvrig. Regjeringen har for tiden flere søknader om godkjenning av GMO-er under behandling. Representanten Andersen Eide viser til søknader om godkjenning av to La meg understreke at dette er søknader om utsetting, dyrking og bruk av GMO-er til fôr, og ikke søknader om godkjenning til bruk i mat, menneskeføde. Det er ikke fattet endelig beslutning i disse sakene, som forberedes av Miljøverndepartementet i henhold til genteknologiloven. Representanten reiser spørsmål om hvilke tiltak jeg vil iverksette for å opprettholde Norges restriktive GMO-politikk i det internasjonale handelsregimet, og det spørsmålet ble gjentatt i interpellantens innlegg. Som ansvarlig for at Norge overholder sine internasjonale forpliktelser bl.a. på handelsområdet, anser jeg det som svært viktig at de tiltak som Norge innfører, er i samsvar med våre forpliktelser – herunder både EØS- og WTO-avtalen. Avtaleverket i WTO gir mulighet til å forby GMO-er i Norge som innebærer helse- og/eller miljørisiko. Det er også adgang til å benytte føre-var-prinsippet og å innføre midlertidige tiltak. Det er opp til medlemslandene – i dette tilfellet Norge – selv å bestemme hvilket beskyttelses- eller risikonivå vi ønsker å legge oss på. Det kreves av oss at vi er konsistente, ikke-diskriminerende i gjennomføringen, og at beslutningen er basert på vitenskapelig grunnlag. Etter regjeringens vurdering kan en restriktiv GMO-politikk ivaretas side om side med våre internasjonale handelsforpliktelser. I de tilfeller der det etter grundige vitenskapelige vurderinger konkluderes med at det ikke foreligger risiko for helse eller miljø i Norge ved utsetting eller bruk av en GMO, kan imidlertid et eventuelt forbud by på utfordringer i forhold til WTO-regelverket. Vi kan da komme i den situasjonen at vi vil kunne tape en sak for et eventuelt panel i WTO. I slike tilfeller vil det eneste mulige grunnlaget være GATT-avtalens artikkel XX , som gir adgang til å innføre tiltak som er nødvendig for å beskytte offentlig moral. Det er ikke åpenbart hva som ligger i begrepet «offentlig moral», og dette har vært lite prøvet i WTO. Et WTO-panel har uttalt at offentlig moral omfatter et samfunns eller en nasjons rådende oppfatning av hva som er rett og gal atferd, og dette kan avhenge av kulturelle, etiske og religiøse verdier. Selv med denne rettesnoren er det ikke åpenbart hvilke konkrete situasjoner som vil omfattes av et slikt begrep. De tvistesakene som til nå har berørt denne problemstillingen, har dreid seg om gambling og grenser for ytringsfrihet. Vi erkjenner at vi står overfor et dilemma i disse sakene. På den ene siden har vi i Norge et sterkt behov for å beskytte miljøet og naturen mot genmodifiserte organismer, også der det ikke nødvendigvis er lett å dokumentere at det foreligger identifiserbare farer for skade på helse eller miljø. Derfor har vi en meget streng genteknologilov og en restriktiv praksis i tråd med denne. Samtidig står vi overfor internasjonale forpliktelser som setter grenser for hva som er tillatt av handelsrestriksjoner. Men Norge er, som et åpent og sterkt eksportavhengig land, avhengig av at handelsregelverket blir fulgt av WTOs medlemmer, og det er i norsk interesse å ha forutsigbare og objektive rammer for handel og økonomisk aktivitet. I slike tilfeller må vi altså foreta en helhetlig vurdering av norske interesser. Jeg vil avslutningsvis få gjenta det jeg sa da jeg begynte mitt svar: Norge har en politikk med hensyn til utsetting, markedsføring og salg av genmodifiserte organismer som er en av de strengeste i verden. Regjeringen vil gjøre sitt ytterste for å videreføre denne politikken, også innenfor det internasjonale handelsregimet. Jeg vil takke utenriksministeren for svaret som vi har fått. Som utenriksministeren var inne på, er

Når en GMO er prosessert, vil denne i Norge bli godkjent under matloven, som forvaltes av Helse- og omsorgsdepartementet og Mattilsynet. Det som blir ansett som særlig positivt med matloven, er at fôrforskriften har et forbud mot alle GMO-er som inneholder intakte antibiotikaresistensgener. EU har ikke et slikt forbud. EU har ikke et slikt forbud. Det er derimot klassifisert antibiotikaresistens-DNA i ulike farlighetsgrader. I harmoniseringsprosessen er det derfor en fare for at Norges generelle forbud mot GMO som inneholder intakte antibiotikaresistensgener, ikke blir videreført. Den norske matloven har i dag i fôrvareforskriften forbud mot å tilvirke, importere og framby fôrvare som inneholder gener som koder for antibiotikaresistens, der disse genenene er tilført ved genmodifisering og kan påvises i sluttproduktet. Stortinget har også tidligere gitt klare føringer til regjeringen om arbeidet for internasjonalt forbud på dette området. Slik jeg leser det, gir internasjonale handelsforpliktelser nasjonalt handlingsrom til å avslå dyrking og import av GMO. Genteknologiloven er innarbeidet i EØS-avtalen, slik at Norge står fritt til å avgjøre hvilke genmodifiserte produkt som kan utsettes, markedsføres og selges her til lands. Også Verdens handelsorganisasjon, WTO, gir stater lov til å ta hensyn til miljø og etikk ved Det gjør at behandlingen av den aktuelle maisen og oljerapsen står og faller på politiske veivalg. Vil utenriksministeren si seg enig i at en restriktiv GMO-politikk innebærer å holde norsk mat GMO-fri? Hva vil utenriksministeren gjøre videre for å opprettholde forbudet i den norske fôrvareforskriften ved norsk innlemmelse av EU-forordningen om mat og fôr? Bare litt på det formelle: Det er vel ikke slik at genteknologiloven er innarbeidet i EØS-avtalen, den anses å være i tråd med EØS-avtalens bestemmelser. Men det er nå en detalj fordi det forutsetter vi at norsk lovverk er, i Men det er nå en detalj fordi det forutsetter vi at norsk lovverk er, i henhold til våre internasjonale forpliktelser, enten det er EØS eller WTO. Jeg kan egentlig svare på spørsmålet veldig enkelt med at jeg tror regjeringen har akkurat den samme holdningen som det brede stortingsflertallet har, som er – etter vårt anslag – en av de mest restriktive i verden. Vi mener vi har et godt grunnlag for det både i nasjonal lovgivning og per i dag i det som også gjelder i internasjonal lovgivning. Men det gjelder å følge nøye med på det, for det er i vår interesse at den lovgivningen vi har utført på disse områdene, lar seg forsvare i de internasjonale organene vi deltar i, og i henhold til de internasjonale avtalene vi er forpliktet på. Da er det slik at vi må, så langt råd er, bygge på vitenskapelige fakta knyttet til innholdet i de enkelte GMO-ene. Så kan vi – slik jeg la vekt på i mitt innlegg – også få en utfordring med å argumentere for dette i forhold til offentlig etikk og moral. moral. Jeg valgte å være åpen på det i mitt innlegg, at i forhold til enkelte av disse konkrete sakene kan vi få større utfordringer enn i andre, bl.a. i forhold til WTO-regelverket. Når det gjelder EU, vet vi jo der at det gjør seg gjeldende ulike syn, og det er ganske sterke motsetninger mellom ulike land ut fra hvilke forutsetninger de har på landbrukssiden og på industrisiden, og hvilke Men jeg vil velge å tro at veldig langt på vei vil det være tilstrekkelig mange som deler det norske grunnsynet på dette spørsmålet, til at vi kan arbeide også med dem og forsøke å gjøre det til en del av vår aktive europapolitikk når det gjelder EUs egen arbeidsform. Oppsummeringsmessig har vi til hensikt å opprettholde et meget strengt regime, kanskje blant de strengeste i verden. Vi ønsker å gjøre det ved å følge de prosessene som er i det nærmeste området for oss, nemlig EØS, sørge for at våre posisjoner lar seg godt forsvare innenfor WTO, og så være i forkant av det som måtte være av utvikling av nytt regelverk, som i noen tilfeller er ganske teknisk, men hvor det å ha en ganske formulert grunnholdning, som vi har på dette området, er en god kompassnål for norske holdninger i disse diskusjonene.

og viser at regjeringen håndterer dette på en betryggende måte. Blant de sakene som nå er til behandling her i landet, er hvorvidt det skal gis tillatelse til import av genmodifisert mais. Det er et produkt som Direktoratet for naturforvaltning i 2008 godkjente i Norge til prosessering, mat og fôr. Dette vil innebære at maislinjene godkjennes til bruk som all annen mais, bortsett fra til dyrking. genmodifiserte linjene har fått innsatt gener som gjør dem sprøytemiddeltolerante. Jeg har merket meg at det er mange som står på barrikadene mot innføring av genmodifisert mais her i landet. Jeg har selv hatt møte med Nettverk for GMO-fri mat og fôr, som består av 16 organisasjoner, bl.a. Bondelaget og Naturvernforbundet. Jeg ser at motstanderne har stor støtte støtte i deler av befolkningen. Vi har her i landet en praksis med at genmodifiserte organismer risikovurderes grundig før de eventuelt godkjennes for import eller dyrking. Det er Vitenskapskomiteen for mattrygghet som gjør det på oppdrag fra Mattilsynet og DN, for deretter å gi en endelig anbefaling til departementene. Norske vedtak skal fattes i medhold av genteknologiloven, som gir oss adgang til å legge vesentlig vekt også på andre kriterier enn helse og miljø, nemlig etikk, bærekraft og samfunnsnytte. Jeg har merket meg at utenriksministeren sier at et eventuelt norsk forbud mot genmodifisert mais blir vurdert nøye opp mot internasjonale forpliktelser og avtaler. WTO-avtalen stiller krav om at eventuelle handelshindrende tiltak skal være basert på en vitenskapelig vurdering av helse- og miljørisiko. Jeg merker meg at utenriksministeren slår fast at etter regjeringens vurdering kan en restriktiv GMO-politikk ivaretas side om side med våre internasjonale handelsforpliktelser. Det er viktig for et lite land som Norge med en åpen økonomi. Jeg må innrømme at jeg personlig er GMO. Fra Arbeiderpartiets side har vi inntatt en restriktiv holdning til genmodifisert mat, og det er en politikk som videreføres. Men jeg er ikke enig med Kristelig Folkeparti dersom de mener at det haster med å fatte en avgjørelse i denne konkrete saken med mais. Jeg synes det er viktig at vi tar den tiden vi trenger for å fatte en avgjørelse på dette feltet. Jeg slutter meg til den positive beskrivelsen Andersen Eide også har til næringskomiteens besøk i Brasil i forrige uke, der vi fikk inngående beskrevet situasjonen for å skaffe Norge tilgang på GMO-frie produkter. Det er åpenbart, slik jeg ser det, at alle de store matproduserende land i verden nå i stor grad går over til å produsere genmodifiserte produkter. Norges muligheter til å unngå genmodifiserte produkter i framtiden vil derfor bli utfordret. Brasil er et av de landene som har størst eksport av men bare 20 pst. er GMO-frie. I forhold til det landets totale produksjon representerer 20 pst. selvsagt enorme volumer, men likevel er det denne andelen som er vår mulighet, og som vi må arbeide aktivt med. Hvorvidt GMO skal tillates eller ikke, er muligens ikke et dilemma som skal avgjøres en gang for alle med et enkeltvedtak, men at det tas forsvarlige beslutninger fra sak til sak på basis av de faglige rådene som gis – at risiko for miljø og helse må vurderes opp mot en eventuell nytteverdi på hvert saksområde etter en grundig gjennomgang, slik det gjøres nå. Jeg tror det kan være behov for mer forskning på dette området. Det er et tankekors at det nå vises til at landbruk over hele kloden har utfordringer, og at en milliard av verdens folk sulter. Det er kanskje et av de største etiske dilemmaer verden står overfor. Denne debatten må vi ta, derfor er denne interpellasjonen viktig. Målet er vi alle enige om: debatten må vi ta, derfor er denne interpellasjonen viktig. Målet er vi alle enige om: at vi vil ha en bærekraftig matproduksjon for å sikre trygg mat til norske forbrukere. Først vil jeg takke interpellanten for å ta opp en viktig sak, en sak som ikke har vært så aktuell for folk flest i Norge. Når det gjelder kompetanse på

spør folk flest, folk på videregående skole, om dette, har de ikke hørt hva GMO er. Her har vi en viktig ting. Jeg er ikke enig i det Kristelig Folkeparti sier om at det haster, som også Haugen sa. Jeg synes faktisk utenriksministeren svarte veldig godt, bl.a. det han presiserte med hensyn til WTO-forhandlingene. Det er det det går på hele veien, at det vi gjør, må være faglig og kunnskapsrikt. Der vil jeg be om at man kanskje legger inn muligheter for å forske mer for å bli bedre på dette. Hvis man skal bruke det kunnskapsrikt. Der vil jeg be om at man kanskje legger inn muligheter for å forske mer for å bli bedre på dette. Hvis man skal bruke det mot WTO, som utenriksministeren sier, er det viktig å kunne dokumentere dette med forskningsrapporter. Hvis man går til EU-rapporten om GMO, sier den at ingen skadelige virkninger av genmodifiserte organismer, GMO, er påvist. Man vet også at i dag er det ingen vitenskapelige bevis som assosierer GMO med høyere risiko for miljøet eller mat- og fôrtrygghet enn for vanlige planter og organismer. Det sier Man vet også at i dag er det ingen vitenskapelige bevis som assosierer GMO med høyere risiko for miljøet eller mat- og fôrtrygghet enn for vanlige planter og organismer. Det sier den også noe om. Man sier også i EU-rapporten at GMO er et viktig verktøy i kampen mot global fattigdom og manglende matsikkerhet i verden. Om ikke vi tar dette inn til Norge, må vi også se på at GMO kan være en mulighet for å få økt matproduksjon. Der mener jeg Norge kan gå foran og være en primus motor og forske og se på om dette er skadelig eller ikke. Det må ikke bli slik at det er en religiøs overbevisning om at dette er galt, for det kan også være bra for å få mer matproduksjon og få den til å fungere.

For vi må bare ta inn over oss at vi er en del av Europa, og vi vil også kunne tilpasse oss det Europa gjør. Hvis vi eventuelt finner ut at vi skal la dette komme inn i det norske markedet, tror jeg det er veldig viktig at vi får merking. Vi har fått kritikk i Norge for at vi har dårlig merking, f.eks. når det gjelder kylling. Og se bare på tilsetning av vann – hvor mange prosent vann er tilsatt? Hva inneholder den maten vi kjøper? Der har EU kommet lenger enn oss. Så jeg støtter det som utenriksministeren sier, og det man har kommet fram til med forhandlinger, at vi går for kunnskap. Hvis vi får forskning som tilsier at dette ikke er farlig, bør man kunne gå inn på en faglig måte og vurdere om det kan være en mulighet også å slippe dette inn i Norge. Inntil videre synes jeg

etikk, samfunnsnytte og bærekraft. Jeg tror at den norske befolkningen og forbrukerne, som det også har vært pekt på her, er veldig opptatt av dette. Kanskje kan kunnskapen være mangelfull, men slik er det jo ofte hos forbrukerne, at kunnskapen til å begynne med er mangelfull. Nettopp derfor tror jeg det er viktig å bruke tid på dette området. Vi har en restriktiv lovgivning, hvor vi har muligheter til selv å påvirke innenfor de avtaler vi har med andre land. Men det er heller ingen tvil om

sammenhengen? Jeg tror at offentlig moral veldig fort kan dreie seg om en verden som mangler mat, og som regjeringen i sin egen landbruksmelding har understreket sterkt mangler mat, og at vi må ta vårt ansvar – at det trengs større avlinger, at det trengs et mer lønnsomt landbruk, ikke bare i Norge, men over hele verden, at det selvsagt trengs større motstand mot plantesykdommer, slik at flere mennesker kan ernæres, og det samme ved f.eks. å gjenvinne tapt land. Det er et etisk dilemma og et spørsmål om offentlig moral. En skal heller ikke se bort fra at i en fremtid vil også Norge kunne være i en sånn situasjon at en utvikling av genteknologien kanskje kan hjelpe norsk landbruk. Men jeg tror det er om å gjøre å skynde seg svært langsomt i denne sammenhengen. For vi må vite hva vi gjør, og selv om avgjørelsene i disse enkeltsakene har tatt lang tid, vil heller ikke jeg kaste meg på denne vognen med å kritisere dette, i hvert fall ikke under forutsetning av at jeg vet at det gjøres en jobb for å finne ut hva som ligger i det, og hva som kan komme i fremtiden. Jeg tror vi – i hvert fall for Høyres vedkommende – står igjen med at ja, vi har et dilemma når det gjelder våre internasjonale forpliktelser. Dem må vi passe på. Så har vi et handlingsrom som vi skal bruke til beste for den norske befolkningen, til beste for den matsikkerheten som vi er opptatt av. Og så har vi liksom over det hele den etiske forpliktelsen, den offentlige moralen, som går på at verden på sikt kanskje vil forandre seg i en retning som gjør at også vi må se på om nye metoder som kan være sikre, etter hvert må testes ut, og om det kan være holdbart også for oss.

heilt frå Gro Harlem Brundtland leidde den internasjonale kommisjonen som la vekt på ei berekraftig utvikling. Derfor er det viktig at vi vidarefører den restriktive linja når det gjeld GMO, som Noreg har ført hittil. Når vi veit så lite om langtidskonsekvensane, må vi ha svært gode grunnar for å akseptere genmodifiserte organismar, og vi må vere heilt sikre på at det vi gjer, er berekraftig og Naturen er komplisert, og det tek ofte lang tid før vi ser konsekvensane av det vi gjer. Det er dei store internasjonale såkornprodusentane som pressar fram utviklinga av GMO, bl.a. for å få kontroll over verdas kornproduksjon. Dei har spesielt satsa på å utvikle korn som toler giftige sprøytemiddel. Eit av dei kornslaga som ein ønskjer innført til Noreg, er modifisert for å tole eit sprøytemiddel som er så giftig at det ikkje er tillate her i landet.

også bruk av det som blir rekna som lite giftige sprøytemiddel, har langtidseffektar som gjer at jorda blir øydelagd på sikt. Det har ført til at ein del produsentar, bl.a. i USA, har gått bort frå genmodifiserte såkorn og mais nettopp for å sleppe å bruke så mykje sprøytemiddel, sjølv om det er godkjende sprøytemiddel. Så der ser vi at langtidsverknadene av noko som blir oppfatta som uskuldig, faktisk er slik at produsentane sjølve går bort frå genmodifisert såkorn. Her er eitt av mange eksempel på at vi ikkje har visst nok om konsekvensane når vi har teke det i bruk. Etter norsk lov skal kvar enkelt GMO vurderast med omsyn til miljø og helse. I tillegg er det lagt vekt på at vi skal kunne vurdere etiske forhold, berekraft og samfunnsnytte som sjølvstendige vurderingskriterium. Bioteknologinemnda meiner, som det har blitt sagt før her i dag, at dei tre produkta som er aktuelle å vurdere no, ikkje tilfredsstiller den norske lovgivinga. Ingen GMO-ar er så langt godkjende for bruk i Noreg. Det er ein praksis som det i Soria-Moria-erklæringa er ein praksis som det i Soria-Moria-erklæringa er lagt vekt på skal vidareførast. Det er ingen grunn til å endre på den praksisen. Enkelte har uttrykt uro for at vi kan kome i konflikt med WTO i forhold til dei restriksjonane som vi har lagt på GMO. Då er det viktig å vere klar over at i tillegg til miljø og helse, som er objektive vurderingar til ein viss grad, og som kan gjerast på vitskapleg basis, har vi også moglegheit til å leggje vekt på etikk og berekraft. Det er ei vektlegging som er viktig å ta med i dei vidare vurderingane. Då er det interessant å merke seg at firma ikkje bryr seg om å informere om etikk og berekraft når dei blir spurde om det. Så er det også viktig å merke seg at det er veldig mange andre land som har ein streng praksis når det gjeld GMO, bl.a. er det fleire land som har moratorium. Så det faktum at det er fleire andre land som har ei streng lovgiving, bl.a. moratorium, burde tilseie at det ikkje burde vere nokon fare for å kome i konflikt med WTO ved å vidareføre den praksisen som vi har ført hittil, og som er forankra i

i. Til den forvaltinga må vi bruke all den kunnskapen vi har. Vi må få fram ny kunnskap og kanskje viktigast, når vi ikkje har nok kunnskap, må vi vise aktsemd, vi må vere føre-var. Ei av dei største utfordringane verda står overfor, ikkje berre no, men også i framtida, er matkrisa. Allereie no er det slik at ein milliard menneske går svoltne til sengs kvar dag. I 2050 skal vi etter berekningane vere etter berekningane vere meir enn ni milliardar menneske på denne jorda. Alle har krav på og rett til nok, trygg og næringsrik mat. Mattryggleik er noko av det mest grunnleggjande i eit samfunn – òg i Noreg i dag. I dag passerer vi fem millionar innbyggjarar i landet vårt. I 2030 kan vi vere ein million innbyggjarar meir. Desse skal ha mjølk til frukosten, pålegg på brødskiva, middagsmat

desse organismane. Så er det heller ikkje noko folkekrav, korkje nasjonalt eller internasjonalt, å liberalisere dette lovverket. Nokre store internasjonale selskap pressar på for ei liberalisering, mens massane av forbrukarorganisasjonar, landbruksorganisasjonar, miljøorganisasjonar er sterkt imot. Også norske Representanten Trældal viste til at det ikkje var mange på vidaregåande som visste kva GMO var. Vel, det trur eg er feil. Eg trur det kanskje er der ein vil lære mest om kva GMO er, men det er uansett viktig også å opplyse meir og ha meir kunnskap på dette feltet. Det er eg einig i. Heldigvis er det få funn av genmodifisert materiale på den norske marknaden, men på verdsmarknaden er GMO-frie råvarer stadig vanskelegare å finne. finne. Derfor er det viktig for Senterpartiet at regjeringa påverkar utviklinga i EUs regelverk, slik at ein får minst mogleg innblanding av GMO i tradisjonelt GMO-frie innsatsvarer. Mellom anna blir det jobba for ei nullgrense når det gjeld innblanding i såfrø. Det er i dag slik at ingen GMO-vekstar er godkjende for dyrking i Noreg, og for Noreg er det derfor viktig med merking av

men også i forum som WTO og
Utvikling av ny teknologi gir oss noen fantastiske muligheter, men det gir oss også noen utfordringer. Det bør derfor være et grunnprinsipp for oss at det er etikken som bør styre teknikken, og ikke omvendt. På dette feltet som vi diskuterer i dag, vet vi fremdeles lite om skadevirkningene knyttet til GMO. I vurderingen av helserisiko er det store sprik mellom forskerne. Noe av den uavhengige forskningen indikerer at det er forskjell mellom GMO og ikke-GMO. For eksempel sier Gro Ingunn Hemre ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning at fôringsforsøkene de har gjort, viser at mais genmodifisert til å produsere insektgift kan ha en negativ virkning på vekst og immunforsvar hos fisken, men at det er behov for mer forskning før en kan konkludere. Professor Per Brandtzæg ved Rikshospitalet sier følgende: «Vi vet at de siste 10 årene har forekomsten av allergi økt kraftig i USA og Australia, samtidig som befolkningen spiser stadig mer genmodifiserte mais- og soyaprodukter. Jeg ser det som sannsynlig at det er at det er en sammenheng her, men det må selvsagt bevises vitenskapelig.» Det er nettopp denne usikkerheten som er en av hovedårsakene til den brede enigheten i Stortinget om at man skal ha en føre-var-holdning til genmodifiserte produkter, og en av grunnene til at regjeringen har et uttalt mål, bl.a. gjennom Soria Moria-erklæringen, om at det skal føres en restriktiv politikk på området.

Representanten Andersen Eide gjorde rede for noen av de helsekonsekvensene som finnes ved de sprøytemidlene som tas i bruk. Befolkningen i disse jordbruksområdene blir utsatt for flysprøyting med ugressmiddel, og det er funnet helseskader hos lokalbefolkningen relatert til sprøytemidlene. Disse GMO-ene er nettopp resistente mot sprøytemidler som er forbudt i Norge, på bakgrunn av de helserelaterte skadevirkningene de har. Kan vi da tolerere at Norge gjennom sin import gir legitimitet til bruk av sprøytemidler som skader lokalbefolkningen, mennesker og dyr i de landene vi importerer fra? Skal en giftfri hverdag kun være forbeholdt oss?

Jeg ønsker å være sikker på at maten jeg spiser, er trygg. Jeg ønsker også at maten jeg spiser, skal være etisk forsvarlig. Derfor mener jeg og Kristelig Folkeparti at vi må ta usikkerheten knyttet til GMO på alvor og benytte oss av de mulighetene vi har gjennom genteknologiloven og de internasjonale avtalene, til å reservere oss mot

løfte en så viktig problemstilling. Venstre har, senest for noen måneder siden, stilt spørsmål til regjeringa om framdriften i disse sakene fordi det har store perspektiver over seg, sjøl om det ikke er noe som vi går og tenker over til daglig. Derfor er det viktig å få kunnskap, er det viktig å få kunnskap, det er viktig å få bredde i kunnskapen, og det er viktig at vi også utvikler merkeordninger som gjør at når vi som forbrukere skal handle i dette markedet, både har kunnskap og et merkeordningssystem som gjør at vi kan velge også ut fra disse indikatorene. Det virker som det er bred enighet om å holde

Vi kan få utviklet ugress som har den samme motstandsdyktighet som det produktet som har blitt utviklet med GMO. Det kan også oppstå resistens og GMO-endringer hos insekter, som kan påvirke avlinga, og det kan gå over til beslektede organismer. Hvis man får en genmodifisert mais, kan man få andre maissorter som kan få de samme endringene. Det kan Sjøl om noen også er utviklet for å øke produksjonen på mindre areal – som har gode hensikter ved seg – kan det føre til andre ikke-tilsiktede hensikter. Derfor er det viktig å få kunnskap om dette. Det er viktig å forske på det. Det er viktig å få til merkeordninger, slik at vi som forbrukere kan velge. Det er også viktig å holde

Men jeg vil nok si at jeg opplever meg selv som litt mer utålmodig enn de fleste med hensyn til å få fram en avgjørelse. Jeg mener at dersom helse, miljø, samfunnsnytte, bærekraft og etikk skal være viktige vurderingskriterier, vil den store usikkerheten knyttet til GMO om akkurat disse kriteriene vi snakker om tre stykker. Dette må gjøre det mulig å konkludere, og jeg hører som sagt at de andre partiene ikke er fullt så utålmodige som meg. Jeg mener at vi selvfølgelig skal ha kunnskap – vi skal fundere det vi mener, på kunnskap og fakta. På den måten haster det ikke å komme med en avgjørelse, men det at det bør være så enkelt med en avgjørelse ut fra disse kriteriene, gjør at det er utrolig at det har tatt så lang tid. Så min utfordring og min oppfordring til utenriksministeren er at her bør det skje en fortgang, for dette er en viktig sak. Takk for debatten!

betydningen av å ha en restriktiv linje, føre-var-holdningen og betydningen av kunnskap. Kunnskap tror jeg er viktig på to områder. Som vi har vært inne på, er det viktig at vi har god kunnskap for å ta avgjørelser på et område som er i teknologisk utvikling, som jeg oppfatter at det er bred enighet om. Det er også viktig på det feltet som kanskje er viktigst for mitt fagområde, nemlig måten vi kan forsvare våre interesser på i internasjonale organisasjoner opp mot et internasjonalt regelverk.

Representanten Skei Grande sa at Venstre hadde den strengeste linjen. Det er ikke lett å si hvem som er strengest her nå, for jeg oppfatter at alle i grunnen har vært enige om én streng linje, og som interpellanten sa, går kanskje diskusjonen litt på taktikken med hensyn til hvorvidt dette haster. Jeg konstaterer at vi i dag opprettholder et robust regelverk og en robust praksis. Det er det vi ønsker. Da blir det en vurdering hva som haster i forhold til det. Vi har i alle fall fra regjeringens side lagt opp til å ta den tiden vi trenger for å kunne ta gode beslutninger. Så vil jeg til sist bare si at representanten Flåtten var inne på et poeng som jeg tror vi også skal ha med oss, for dette er en debatt som lett blir en global debatt. Det går selvfølgelig på den situasjonen at sult er et fenomen i verden, og at det kommer til å bli diskusjoner om hvordan man kan produsere mer mat med mindre energi og på et mer utsatt landbruksområde verden rundt. Det er ikke noe som direkte berører norske forhold på kort sikt, men vi er en del av den internasjonale sammenhengen og må også være med i den debatten. Men jeg tror det er et viktig bidrag i den debatten at vi har et strengt regelverk, og at det er et regelverk som lar seg presentere og argumentere for i internasjonale sammenhenger. Takk for en god debatt! Dermed er debatten i sak nr. 1 avsluttet. Etter ønske fra kommunal- og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

opprydning i det eksisterende regelverket pluss et par viktige politikkendringer som vil gjøre livet bedre for en god del mennesker. Mange mennesker som kommer til Norge, har problemer med å få dokumentert identiteten sin på en tilstrekkelig god måte. Jeg var selv med på å behandle utlendingsloven her i Stortinget for noen år siden, da vi innførte og på mange måter hevet terskelen for hva det var som skulle til for å få statsborgerskap. Den gangen hevet vi terskelen til avklart identitet. Det skulle ikke være slik at det at det var tilstrekkelig å ha fått legge til grunn den identiteten man hadde i bosettingstillatelsen sin; man skulle ha strengere identitetskrav enn det. Den gangen må jeg innrømme at vi så for oss at det ville føre til at kun noen få mennesker ikke ville få klargjort identiteten sin og ha identiteten sin lagt til grunn ved innvilgelse av statsborgerskap. Men det skjedde ikke. Det ble et ganske betydelig antall mennesker som fikk problemer med at de ikke hadde en tilstrekkelig godt klarlagt identitet. Det som vi har gjort fra regjeringens side – som jeg er veldig glad for, og som jeg vil rose statsråden og regjeringen for å ha gjort – er å sørge for å lage ordninger som sikrer at mennesker som kommer til Norge, som har til hensikt å bli boende i Norge, og som for alle praktiske hensyn er norske, skal få muligheten til også å få norsk statsborgerskap. Dette er en styrke både for det enkelte individet og for samfunnet Norge, for vi har godt av å kunne forholde oss til mennesker med utgangspunkt i at de faktisk har fulle rettigheter, fulle muligheter, til å virke i Norge som statsborger. La meg ta ett eksempel. Hvis du er ung og foreldrene dine ikke har avklart identiteten sin, vil du heller ikke selv få norsk statsborgerskap, og du har mindre mulighet til å være med

som har fulle rettigheter til å jobbe og virke i Norge. Disse bedriftene opplever likevel når de skal delta innenfor hele EU- og EØS-området, at det er trøblete å få med seg arbeidstakerne til utlandet, rett og slett fordi de ikke har norsk statsborgerskap. Bakgrunnen for at man ikke får avklart dette statsborgerskapet, som har skapt en nærmest er at Norge og norske myndigheter knytter lav grad av notoritet til de dokumentene som utstedes. Dette gjelder for en rekke land. Komiteen besøkte det nasjonale ID-senteret og fikk nettopp der en introduksjon til en god del av de problemstillingene som ligger rundt dette problemfeltet. Alle er vi enige om at mennesker som skal bo i Norge, er vi interessert i å vite hvem er. Men det må være mulig for mennesker å avklare sin identitet, selv om det på et eller annet tidspunkt har oppstått en uklarhet rundt det – gjerne en uklarhet som skyldes at de på et tidspunkt har vært i en fluktsituasjon og oppgitt feil identitet selv, og opplever at det er vanskelig å avklare dette på et senere tidspunkt. Ungene ordner vi nå opp for. Vi sørger for at ungene skal få muligheten til å få lagt identitet til grunn. Vi har vært i den – hva skal jeg si – litt byråkratiske situasjonen at selv om mors identitet er klarlagt, fars identitet ikke har vært klarlagt, så har barnas identitet vært regnet som uklarlagt. Det er en situasjon som de fleste ser på som direkte urimelig, at det skal ramme en del unger. Dette rydder nå regjeringen opp i for ungene. Det som regjeringen også har varslet, er at vi kommer til å gjøre det samme samme som vi gjorde når det gjaldt de irakisk-kurdiske gruppene, de såkalte MUF-erne. Vi fikk til en avklaring av identiteten for en del av de menneskene, som det var et krav om for å få innvilget opphold. Man kan gjennomgå dette og prøve å få på plass en tilsvarende prosedyre, slik at flere av de menneskene som er voksne og som ikke kommer innunder ordningen med barn, også skal få muligheten til å
neste taler, Lise Christoffersen – deretter Morten Ørsal Johansen.

Norge. Det er i dag om lag 600 900 personer bosatt i Norge, som enten har innvandret selv, ca. 500 000, eller som er født i Norge med innvandrerforeldre, ca. 100 000. Til sammen utgjør disse gruppene 12,2 pst. av befolkningen, og noe under 40 pst. av dem har norsk statsborgerskap. De siste årene har ca. 12 000 nye innvandrere per år valgt å bli norske borgere, med det dette innebærer av både rettigheter og plikter.

Som saksordføreren har gjort rede for, snakker vi om diverse endringer i statsborgerloven, som bl.a. har som siktemål å gjøre regelverket for statsborgerskap enklere og tydeligere, og derved lettere å forholde seg til, for noen av forslagenes del også mer rettferdig, f.eks. når det gjelder bestemmelsen om karenstid, men kanskje aller viktigst de endringene som gjør at flere personer som er født i Norge, eller har kommet til Norge i ung alder, kan bli norske statsborgere. Som en samlet komité, med unntak av Fremskrittspartiet, sier: «Det å sørge for at barn som hører hjemme i Norge får norsk statsborgerskap er viktig både for barna og for samfunnet de lever i.» Regjeringen sier i proposisjonen at den ønsker «at personer som bor permanent i Norge blir norske statsborgere, deltar i det norske samfunnet, har tilhørighet til Norge og ivaretar rettigheter og plikter overfor den norske staten». Det er de fleste her på Stortinget helt enig i. Samtidig vet vi at statsborgerskap i seg selv ikke er nok for å få til en god integrering, men det kommer vi til å få mange anledninger til å debattere senere, bl.a. når integreringsmeldingen legges fram. I dag er det deler av statsborgerloven det gjelder, og regjeringens forslag kommer til å bli vedtatt med overveldende flertall – og det er bra.

Vi har norske statsborgere som ikke prater norsk og har liten eller ingen vilje til å tilpasse seg det norske samfunnet. Hvis det er så attraktivt å bli norsk borger, er det ikke urimelig å kreve at den som vil bli det, må anstrenge seg litt for å bli det. Fremskrittspartiet har i mange år tatt til orde for å innføre strenge krav til dem som ønsker å bli norske statsborgere. En skal ikke bare gjennomgå opplæring i norsk, men en skal avlegge eksamen for å vise at en kan norsk. Det samme gjelder kunnskap om det norske samfunn, på felter som f.eks. demokrati, rettsstatens prinsipper, likestilling mellom kjønnene samt norske kulturelle og religiøse tradisjoner. Fremskrittspartiet vil faktisk stemme for forslaget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Vi mener at enkelte av forslagene er et skritt i riktig retning, og vi vil særlig understreke at det aldri må innvilges statsborgerskap til noen vi ikke med sikkerhet vet hvem er, samt at det burde være en ufravikelig hovedregel at kriminalitet diskvalifiserer for norsk statsborgerskap. Fremskrittspartiet er som sagt positiv til en del av de forslagene som har kommet. Vi mener det er skritt i riktig retning. Fremskrittspartiet vil selvfølgelig også komme med forslag til en del endringer i egne Dokument 8-forslag av det vi ikke er så fornøyd med. Men de klargjøringene som departementet har lagt fram, er Fremskrittspartiet rimelig godt fornøyd med.

om at hver enkelt ved å bli statsborger automatisk slutter seg til de grunnleggende verdier som demokrati og ytringsfrihet og andre bærende elementer ved det politiske fellesskapet, som samfunnet bygger på. Det er jo å håpe! Muligheten for at dette faktisk er tilfellet, øker ved å stille krav og ha terskler for det å bli statsborger i Norge. For Høyre er ikke statsborgerskap et av flere underveistiltak i integreringen, men en anerkjennelse av at integrering i rimelig grad har funnet sted. Så mer til de enkelte endringene i statsborgerloven. Man foreslår at man i statsborgerloven § 7 erstatter formuleringen identiteten må være «dokumentert eller på annen måte klarlagt» med identiteten må være «klarlagt». Man foreslår altså at kravet nå blir at man har klarlagt sin identitet. Departementet mener at slik identitetskravet er formulert i dag, kan det skape inntrykk av at det for å oppfylle identitetsvilkåret skal være tilstrekkelig at det fremlegges Men det er jo ikke tilfellet. Når det legges frem identitetsdokumenter, vil myndighetene alltid måtte gjøre en vurdering av om det er hold i dokumentene, og avgjøre om de, sammenholdt med andre opplysninger i saken, klarlegger søkerens identitet på tilfredsstillende vis. Så det vil alltid måtte skje en slik bevisvurdering. Etter vår vurdering er denne lovendringen unødvendig. Den tar ikke sikte på å endre gjeldende rett, men sies å gjøre loven mer pedagogisk. Klarheten skal oppnås ved en sammenholdt lesing av statsborgerforskriften med den nye formuleringen i statsborgerloven § 7. Det er også slik at man har tenkt å omtale kravet til bevisstyrke i forskriften og ikke i loven. En forskrift lar seg lettere endre enn selve loven og kan derfor endre seg. Hvis man argumenterer med å vektlegge størst mulig forutsigbarhet, burde beviskravet vært skrevet inn i loven. Ut fra en lovgivers synspunkt, som jeg mener at Stortinget bør tillate seg å innta når det gir lover, stusser jeg over den lov- og regelteknikk som brukes i denne loven, og i og for seg i en rekke andre saker også som forelegges Stortinget. I en rekke tilfeller velger departementet å foreslå vage uttrykk i selve hjemmelsloven som Stortinget vedtar, mens realitetene kommer til syne i forskriftene. Dette betyr, fra et forfatningsmessig synspunkt, at man flytter vesentlige deler av regelproduksjonen fra Stortinget til regjeringen. Det er selvsagt behov for utstrakt bruk av delegering Men det er av hensyn til både demokrati og rettssikkerhet stor grunn til å vise mer tilbakeholdenhet ved bruk av forskriftshjemler. Et utgangspunkt må være at alle spørsmål som er av en slik karakter at Stortinget bør ta stilling til dem, burde vært regulert i formell lov og ikke overlates til forskrift. Jeg vil også peke på hensynet til borgernes rettssikkerhet. Jo mer inngripende tiltak som iverksettes, desto større grunn er det til at Stortinget har tatt uttrykkelig stilling til det konkrete tiltaket. For å illustrere dette poenget vil jeg peke på om spørsmålet om beviskrav når det gjelder bedømmelse av identitet, er klarlagt. Det er oppstått en ulikhet i UDIs og i UNEs praktisering. UDI har lagt til grunn sannsynlighetsovervekt, mens UNE har krevet kvalifisert Høyre støtter kravet til kvalifisert sannsynlighetsovervekt, men mener det skulle ha vært skrevet direkte inn i loven. Likeledes virker det unødvendig å hjemle en plikt til å fremlegge opplysninger så lenge man setter krav til klarlegging av identitet som vilkår for å oppnå statsborgerskap. Bestemmelsen er og blir uten selvstendig betydning. Noen vil kunne finne på å argumentere med at bruddet på opplysningsplikten kan være et grunnlag for straffesanksjoner mot uriktige opplysninger, i tillegg til at man da selvfølgelig ikke oppnår statsborgerskap. Men en slik sanksjonsmulighet finnes allerede et annet sted i loven, nemlig i § 33. Jeg vil så langt oppsummere med å si at vi støtter de andre endringene, men vi kommer til å stemme imot forslag til endringer i § 7, i § 28 og

i hvert fall mange av dem – ikke mulighet til å dokumentere eller sannsynliggjøre sin identitet, da dokumentasjon fra hjemlandet ikke anses å ha tilstrekkelig notoritet hos utlendingsforvaltningen. Det kan bl.a. skyldes at hjemlandet over lengre tid har vært i krig eller i en krigsliknende situasjon, og/eller det skyldes fravær av sentralmyndigheter i hjemlandet. De det gjelder, har blitt innvilget permanent opphold i Norge, og således har deres identitet blitt lagt til grunn av norske utlendingsmyndigheter i forhold til utlendingsloven. De fleste av irakere og afghanere som er rammet av denne praksisen, har fått utstedt hjemlandets pass fra deres respektive ambassader i Norden. Noen har også fått utstedt norsk utlendingspass for å reise til hjemlandet og anskaffe seg hjemlandets pass. Både irakiske og afghanske pass er anerkjent som gyldige reisedokumenter av både norske myndigheter og EU. Et ikke ubetydelig antall somaliere har fått utstedt norske utlendingspass. Således har svært mange av de voksne i denne gruppen anerkjente reisedokumenter med innstemplet oppholdstillatelse som medfører at de har rett til å reise rundt i Europa uten restriksjoner. Det som dog er problematisk, er at de blir nektet demokratiske rettigheter i landet som de har bosatt seg i, og hvor deres barn er født og vokser opp, herunder retten til å stemme i stortingsvalg. De er videre ekskludert fra enkelte yrker og utdanningsmuligheter. Hvem er disse? Det er viktig å ha i minne at det her dreier seg om mennesker bosatt i Norge over svært mange år, som har fått innvilget permanent opphold her, de har etablert familie, og oftest er de også yrkesaktive. De kom til Norge – ofte som asylsøkere – og fikk innvilget opphold på humanitært grunnlag på bakgrunn av situasjonen i hjemlandet. Nettopp på bakgrunn av situasjonen i hjemlandet må man se på hvilke land det her er snakk om, nemlig Irak, Afghanistan og Somalia. Da de kom, dvs. for åtte år eller lenger siden, var landet deres enten i en krigssituasjon eller i en krigslignende situasjon. For å bruke en litt slitt frase: Dette er mennesker som har gjort og gjør sin plikt, nå krever de også sin rett. Jeg er veldig glad for at man nå med dette lovforslaget ordner opp for barna. Det har vært en ulykksalig situasjon for disse barna, fordi tvil om foreldrenes ID går i arv til barn, noe som gjør at heller ikke de får statsborgerskap. Jeg er glad for at man nå rydder opp i dette. Jeg håper også at arbeidet når det gjelder de voksne, ikke stopper opp nå, men at departementet jobber videre for å kunne rydde opp når det gjelder de voksne vi her snakker om. Dette er mennesker som ønsker å få delta i det norske samfunn på alle plan – landet deres barn er født i, vokser opp i og skal etablere seg i. De ønsker at deres barn og de selv skal ha like rettigheter som andre borgere i dette landet, og de ønsker å få lov til å delta i stortingsvalg, fritt kunne velge yrke, utdanning osv. Å bli nektet statsborgerskap er å bli avvist fra samfunnet som man har bidratt i, og kommer til å bidra i også i svært mange år fremover. Derfor er det mange som føler at de rammes på en urettferdig måte. Som sagt: Kristelig Folkeparti støtter lovforslagene som er fremmet. Vi er glad for at man har ryddet opp når det gjelder barna, men håper også at arbeidet når det gjelder de voksne,

tidligere asylsøkere som har opphold i Norge, fulle rettigheter som norske borgere, er det også i den norske statens egeninteresse at disse menneskene behandles som fullverdige medlemmer – de er her, og de blir her. Statsborgerskapet kan ses på som en formalisering av den uuttalte samfunnskontrakten som finnes mellom stat og borger. Gjennom tilknytning til Norge gis borgeren rettigheter og Det norske statsborgerskapet markerer, symbolsk og faktisk, at statsborgerne slutter seg til de grunnleggende verdiene som det politiske fellesskapet bygger på, som demokrati og felles politiske spilleregler. Regjeringen ønsker derfor at personer som bor permanent i Norge, blir norske statsborgere, deltar i det norske samfunnet, har tilhørighet til Norge og ivaretar rettigheter og plikter overfor den norske staten. Regjeringen fremmer nå forslag om en rekke endringer i statsborgerloven. forslag om å gjøre endringer i formuleringen av identitetsvilkår å presisere søkerens opplysningsplikt en bred revisjon av bestemmelsene om karenstid etter ilagt straffereaksjon å regne med i oppholdstiden visse typer oppholdstillatelser gitt for mindre enn ett år å utvide overgangsbestemmelsen for adopterte barn å gjøre gjenerverv mulig for barn av norske statsborgere, selv om de er under 12 år at alderen på søknadstidspunktet skal være avgjørende for om en søker skal behandles som under 18 år når det gjelder reglene om norskopplæring, statsløse og bipersoner å ikke stille krav om oppholdstid for barn under to år som søker om gjenerverv eller som biperson til sine foreldre å erstatte begrepet «rikets sikkerhet» med «grunnleggende nasjonale interesser» noen mindre endringer i statsborgerloven § 14 og Forslagene vil samlet føre til en bedre og mer rettferdig behandling og et mer rettferdig regelverk når det gjelder vilkårene for erverv av norsk statsborgerskap. Et av formålene med statsborgerloven er at den skal bidra til mer deltakelse blant dem som søker norsk statsborgerskap. Vi jobber nå med en stortingsmelding om integrering som skal legges fram i 2012. Meldingen skal danne det politiske grunnlaget for integreringspolitikken I meldingen vil vi diskutere hva vi vil at statsborgerskapet skal være og hvilken rolle statsborgerskapet skal spille i integreringsprosessen. Regjeringen mener at statsborgerskap i dag ikke utnyttes godt nok som et virkemiddel i arbeidet med integrering. Mange av komiteens kommentarer knytter seg til at det skal innføres nye forskriftsbestemmelser om klarlegging av identitet for visse grupper søkere. Disse forskriftsendringene vil tre i kraft før ikrafttredelsen av lovforslagene i denne proposisjonen. Forskriftsendringene er ikke en del av lovforslaget, men omtales i proposisjonen. Det er et problem at mange av dem som søker statsborgerskap, får avslag fordi de ikke klarer å klarlegge sin identitet. Departementet vil gjøre endringer i statsborgerforskriften, slik at det under visse vilkår kan gjøres unntak fra beviskravene i statsborgerforskriftens §§ 1-1 og 1-2 for personer som etter gjeldende praksis ikke anses å fylle identitetsvilkåret. Endringene vil under visse vilkår gjelde personer som er født her eller som har kommet til Norge i ung alder, som flere av talerne har vært inne på. Jeg er glad for at komiteens flertall – alle unntatt Fremskrittspartiet – er enig i at dette er viktig både for barna og for samfunnet de lever i. Det samme flertallet i komiteen viser til at regjeringen ikke fremmer forslag i forskriften om en tilsvarende ordning for personer som har kommet til Norge etter fylte 17 år. Jeg tar med meg tilbake at flertallet i komiteen mener det er viktig at for denne gruppen for å gjøre det enklere med identitetsavklaring. Det blir åpnet opp for replikkordskifte.
Statsråden var inne på de velsignelser og fordeler som ville følge av lovendringsforslagene, hvis Stortinget vedtar dem. Allikevel er jeg så frimodig at jeg stiller spørsmål ved vinningen ved å omformulere det velkjente «rikets sikkerhet» til det nye «grunnleggende nasjonale interesser». Det synes jeg er en underlig øvelse. Man erstatter rett og slett en rettslig standard med en annen rettslig standard, som faktisk dekker det samme forhold. Det står i proposisjonen at departementet mener at ««rikets sikkerhet» er, hvis det tolkes i snever forstand, noe utdatert , særlig når det gjelder terrorvirksomhet». Da er mitt spørsmål til statsråden: Mener man virkelig ikke at det å beskytte alminnelige menneskers dagligliv, sikre deres trygghet og sikre interessene til sivil sektor i Norge er en del av «rikets sikkerhet»? Slik jeg har forstått bakgrunnen for forslagene til endringer på dette området, er det viktig at man har samme type begrepsbruk når det gjelder utlendingsloven og statsborgerloven – man bør bruke de samme begrepene. Derfor synes jeg at begrepet «grunnleggende nasjonale interesser» er dekkende. Jeg tror folk stort sett forstår hva som ligger i det. At det skulle være så veldig stor forskjell mellom hva som er «rikets sikkerhet», og hva som er «grunnleggende nasjonale interesser» – jeg tror kanskje representanten Tetzschner og jeg kan være enige om at jeg ikke ser den veldig store forskjellen i dette, men jeg synes det er en viss betydning at en har

som sagt, veldig glad for at man har ryddet opp når det gjelder barna, men det er en utålmodighet også når det gjelder de voksne. Så jeg lurer på om statsråden kan si noe om tidsperspektivet, i og med at dette er en sak man nå har jobbet lenge med, slik at man også kan få løst situasjonen for mange av disse voksne. Jeg takker Bekkevold for dette spørsmålet. Jeg sjekket senest ved slutten av forrige uke: Hvordan er det mulig å få behandlet de sakene som angår barn, først? Har vi kapasitet, osv.? Mange har forventninger til at dette skal løse seg raskt. Jeg må bare opplyse om at dette kan ta litt tid, fordi hver enkelt sak skal behandles, og det er mangel på kapasitet. De som har forhåpninger om at ting ordnes i morgen den dag, må ha litt tålmodighet med at vi får unna søknader. Når det gjelder de voksne, kan jeg bare si at vi har lagt merke til og er enig i det komiteen sier.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

gjeldende annet ledd i § 9 skulle «dyttes» nedover og bli nytt fjerde ledd i lovteksten. Departementet har gjort oss oppmerksom på at dette ikke var departementets intensjon. Ved nærmere gjennomlesing ser også vi at det ikke er hensiktsmessig å gjøre det på den måten, rett og slett fordi en vil få to ledd som omtaler det samme forhold. Det vi legger opp til, er at denne setningen nå strykes, og at vedtaket til lovendringer knyttet til § 9 vil lyde: «§ 9 annet og nytt tredje ledd skal lyde: Karenstiden regnes fra den dag endelig dom er avsagt. Ved ilagt forelegg regnes karenstiden fra vedtakelsestidspunktet. Den som er ilagt straff eller strafferettslig særreaksjon, har ikke rett til norsk statsborgerskap før denne er gjennomført og all prøvetid er utholdt.»

og argumentere for i internasjonale sammenhenger. Takk for en god debatt! Dermed er debatten i sak nr. 1 avsluttet. Etter ønske fra kommunal- og forvaltningskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og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

Departementet foreslo ikke å endre ansettelsesforholdet for direktørstillingen, som nå er lyst ut. Vi får håpe at vi får gode, kvalifiserte søkere til den stillingen. Med unntak av NOAS og Advokatforeningen var høringsrunden positiv til forslagene om å avvikle åremålsordningen for nemndledere. Med unntak av Fremskrittspartiet og Høyre stiller komiteen seg bak regjeringens forslag om å avvikle åremålsordningen for nemndledere i UNE. Flertallet ser det slik at en nemndledergruppe med større innslag av langvarig og bred erfaring ikke vil være dårligere rustet til å møte disse utfordringene enn en mindre rutinert gruppe. Nemndledere med lang erfaring og spisskompetanse vil styrke nemndledergruppen og UNE som helhet. Nemndledergruppen er mer enn doblet i størrelsen siden 2001. I en så stor gruppe vil det med stor grad av sikkerhet være en ikke ubetydelig utskifting selv om flere sitter lenger i stillingen. Det er også grunn til å tro at UNE vil få flere godt kvalifiserte og erfarne søkere til nemndlederstillinger. Større stabilitet og kompetanse i nemndledergruppen vil trolig ha en positiv effekt på UNEs produktivitet, ettersom problemene i nemndlederleddet utgjorde den viktigste enkeltårsaken til nemndas manglende måloppnåelse i 2010. Til det andre, rett til representant for enslige, At enslige, asylsøkende barn kommer til Norge, er et relativt nytt fenomen, som dagens lovgivning i liten grad tar høyde for. Det har en periode vært en kraftig økning i tallet på enslige, mindreårige asylsøkere som kommer til Norge, noe som har ført til ekstra utfordringer og gitt økt press på ordningen. Det er store forskjeller mellom den tradisjonelle vergerollen, med fokus på ansvaret for de økonomiske forholdene til den mindreårige, og de spesielle interessene og behovene som enslige, mindreårige asylsøkere har. Disse barna trenger en juridisk erstatter for foreldrene, som kan være talsperson overfor utlendingsmyndigheter, skole, helsetjeneste, asylmottak/omsorgssenter osv. Det er viktig at rettighetene som barna har etter utlendingslovgivningen, blir sikret, samtidig som rettighetene de har etter ulike internasjonale Komiteen støtter forslaget om at reglene om representant for enslige, mindreårige blir plassert i utlendingsloven og ikke i en egen lov, som Vergemålsutvalget foreslo. En plassering av representasjonsreglene i utlendingsloven vil gjøre regelverket mer tilgjengelig, samtidig som det blir enklere å se sammenhengen med andre regler på rettsområdet. Komiteen mener det er viktig at enslige, mindreårige asylsøkere ikke får dårligere representasjon enn andre Barna er i en svært sårbar situasjon, hvor det også ofte er kort tid til myndighetsalder, da barnet ikke lenger vil ha noen representant å forholde seg til. Derfor er det også viktig at representanten involverer barnet i de ulike prosessene og bidrar til selvstendiggjøring. Til grunn for representantens utførelse av oppdraget må en alltid ta hensyn til den nasjonale, språklige, religiøse og kulturelle bakgrunnen til barnet. Vi tilrår Stortinget å gjøre de vedtak som er fremmet i denne saken.
Som saksordføreren har gjort rede for, inneholder denne saken to ulike forslag. Det gjelder åremålstilsettingene i Utlendingsnemnda og saksbehandlingen i asylsaker for enslige, mindreårige asylsøkere. Den første saken, erstatning av dagens åremålstilsettinger for nemndledere i Utlendingsnemnda med en ordning med fast tilsetting, kan kanskje virke som en rent administrativ sak. Men erfaringene med åremålsordningen, som ble innført da Utlendingsnemnda ble opprettet i 2001, viser at denne saken også, i det minste indirekte, har hatt betydning for kvaliteten i klagesaksbehandlingen i utlendingssaker. Allerede etter to år, i 2003, viste en evaluering av UNE at åremålsordningen var lite heldig, som det sies i rapporten. Likevel valgte den forrige regjeringen å la være å gjøre endringer. De uheldige sidene er blitt tydeligere etter hvert. Nå er det på tide å gjøre noe med det. UNE opplyser selv at ordningen førte til stor utskifting av nemndledere i 2010. Det fikk betydelige konsekvenser for framdriften i saksbehandlingen, kanskje på det verst tenkelige tidspunktet. Vi hadde hatt en betydelig økning i antall asylsøkere like før. Restansene hadde hopet seg opp i Utlendingsdirektoratet. iverksatte tiltak og satte inn betydelige ressurser, både på å få ned antall søkere uten behov for beskyttelse og på å få unna restansebunken i UDI. Begge deler lyktes vi med. Det førte igjen til en forskyvning av restanser fra UDI, som etter hvert behandlet flere saker enn de fikk inn, og over til UNE. UNE uttalte selv at den store utskiftingen av nemndledere gjorde at Og ikke nok med at mange sluttet samtidig, UNE viser også til at det er vanskelig å rekruttere tilstrekkelig mange erfarne jurister med relevant bakgrunn til disse nemndlederstillingene. En rettferdig asylpolitikk er helt avhengig av en rask og effektiv saksbehandling med god kvalitet, noe ikke minst de siste ukers debatt har vist klart og tydelig. Det kommer vi tilbake til i en senere sak i dag, men jeg mener det er et viktig poeng også i denne saken. Vi må gjøre det som sikrer den beste saksbehandlingen. Flertallspartiene støtter derfor regjeringens forslag. Høyre går imot faste stillinger nå, som de gjorde i 2003. Det er for så vidt en konsekvent holdning, men vanskelig å forstå når erfaringene er så lite positive. Fremskrittspartiet går også imot, men ønsker en omlegging av systemet tilbake til der vi var før, med at klagesaker skal underlegges Justisdepartementet. Men slike beslutninger har ingenting i et politisk system å gjøre. Vi får holde oss til å lage reglene, så får fagfolk ta seg av enkeltbeslutningene. Vi behandler i denne saken også den nye representantordningen for enslige, mindreårige asylsøkere. Det handler også om rettssikkerhet og kvalitet i behandlingen av en svært sårbar gruppe av asylsøkere. Noen av disse barna har et beskyttelsesbehov, mens andre søker en bedre framtid. Men felles for mange av disse er at de er sendt ut på reise av sin egen familie. Vi kan vel bare forestille oss hva det gjør med et barn. De blir lett offer for menneskesmuglere underveis, særlig i tilfeller der reisen er betalt i avdrag. Barn som selv må finansiere reisen underveis, er spesielt sårbare. Noen av dem har opplevd at søsken har blitt tatt i pant, og er av den grunn utsatt for et enormt press. Er det i noen saker der barns beste må tillegges vekt, er det overfor disse barna. Det aller viktigste er å føre en asylpolitikk som forebygger at stadig flere barn opplever en slik skjebne. Men de som først har kommet hit, har krav på en skikkelig behandling. Vi ser at innvilgelsesprosenten er høyere for barn enn for voksne. For de enslige, mindreårige som blir vurdert til ikke å ha behov for beskyttelse, vil sterke menneskelige hensyn veie tungt. Tall fra UDI viser at ca. 90 pst. av dem etter hvert får bli. Den nye representantordningen skal bidra til at barnas interesser blir ivaretatt på en bedre måte enn i dag mens saken deres er til behandling. Vi ønsker derfor den nye ordningen velkommen. Det er gledelig at en samlet komité stiller seg bak forslaget.
for nemndledere i Utlendingsnemnda ikke fungerer som den skal. Fremskrittspartiet kommer til å stemme imot forslaget fra regjeringen og det som er tilrådningen fra flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen. Fremskrittspartiet mener at den store innvandringen dramatisk forandrer Norge. Jeg er langt fra overbevist om at denne forandringen ubetinget er til det beste. Det er mye som tyder på noe De som er for høy innvandring, forteller at Norge trenger innvandrernes arbeidskraft. Jeg er enig i at Norge trenger arbeidskraft, men da trenger vi innvandrere som arbeider. Dessverre er det altfor mange innvandrere som har gjort altfor lite for å kvalifisere seg til det norske arbeidsmarkedet, og jeg vil gå så langt som til å si at det synes å være grupper av innvandrere som ikke virker påfallende interessert i Dette betyr at de må forsørges av de norske skattebetalerne. Jeg vil anta at det også i de partier som stiller seg positive til høy innvandring, er en viss forståelse for at det faktisk finnes en grense for hvor mange mennesker norske skattebetalere er i stand til å forsørge. Ubegrenset innvandring av mennesker som ikke er innstilt på å forsørge seg selv, men som ønsker å bli forsørget av oss, vil bety slutten for vår velferdsstat slik vi kjenner Fremskrittspartiet mener at innvandring er et for viktig spørsmål til å bli overlatt til nemnder. Vi ønsker politisk kontroll på dette feltet. Derfor kan vi ikke se at avviklingen av åremålsordningen for nemndledere i Utlendingsnemnda løser noe problem, og vi vil derfor stemme imot tilrådingen i innstillingen, som den foreligger fra komiteen. Når det gjelder enslige, mindreårige asylsøkere, stiller det seg noe annerledes. Som det har blitt sagt her, er dette en spesielt utsatt gruppe som ofte blir forsøkt utnyttet ved at de skal være forløpere for andre som ønsker å komme til Norge. Det er derfor viktig at de får noen å snakke med som kan være uavhengige, og som kan tale som også kan få fram bakgrunnen for at disse barna blir sendt rundt i verden for å søke asyl – igjen som jeg sa, for kanskje å være forløpere for foreldre eller andre. Fremskrittspartiet vil stemme for § 98 og utover, men vi vil stemme imot endringen av åremålstilsetting. To poeng i en sak som ikke er altfor vidtrekkende og prinsipiell. Først: Høyre støtter forslaget om oppnevning av en representant for enslige, mindreårige asylsøkere etter prinsippene som vi finner i vergemålsloven. Vi tror det styrker den individuelle rettssikkerhet for de mindreårige som står alene i sitt møte med norsk forvaltning, og med et regelverk som avgjør deres fremtid. Det andre poenget er åremålsstillinger. Høyre er imot å avvikle åremålsordningene for nemndlederne i Utlendingsnemnda. Vi mener at stillingene er i en annen kategori enn de som vanligvis ligger under tjenestemannsloven. utøver tilnærmet domstolmyndighet i den forstand at det er sterke begrensninger i overprøvingsmuligheten overfor beslutninger gjort av nemndene og nemndlederne. Hensynet til faglig oppdatering innen et felt som er i bevegelse lovgivningsmessig, konvensjonelt – altså innenfor konvensjonsretten – både i Norge og internasjonalt, gjør at dette er et rettsområde som ikke ligger i ro, og som man må holde seg løpende oppdatert i. Dette, sammenholdt med hensynet til selvstendige avgjørelser, tilsier uavhengighet i perioden, men perioden kommer selvfølgelig også til en ende. Høyre ønsker derfor å ha nemndledere på åremål i fortsettelsen. Vi merker oss med glede at det i proposisjonen er tatt inn et forslag om at direktøren Utlendingsnemnda fortsatt skal oppnevnes på åremål. Vi støtter også dette, men mener at det kan argumenteres godt for at direktør og nemndledere bør ha noenlunde samme ansettelsesgrunnlag. Derfor vil vi altså utvide vår positive holdning til åremålsstillinger til også å gjelde nemndledere, og vi vil stemme i samsvar med det.
Som saksordføreren har gjort rede for, er dette en sak som handler om to ting – grovt sett. Det ene handler om ansettelsesforholdene for folk som jobber i Utlendingsnemnda, og det andre gjelder opprettelsen av en representantordning. Jeg vil først bare si at det å få på plass en representantordning og det at den begynner å gjelde, trer i kraft, fra 1. januar neste år, er et voldsomt løft for rettssikkerheten for enslige, mindreårige asylsøkere. Når vi er ute og møter folk som ivaretar interessene til enslige, mindreårige asylsøkere, er de opptatt av at man gjennom hele prosessen har én representant som er voksen, til stede, er ekstremt viktig. Det handler om å sørge for at de barna vi snakker om, får trygghet til systemet – får trygghet for rettferdig behandling og alt mulig sånn som man får ved at man helt konkret har Det som selvfølgelig blir utfordringen, og som justisministeren får ansvaret for å sørge for at vi får fulgt opp på en ordentlig måte, er det som ligger i de flytende overgangene når barna beveger seg rundt omkring i landet. Vi vet at i dag er det problematisk at barn kan få mange å forholde seg til. å få på plass gode rutiner og gode ordninger for denne representantordningen, får vi et system som sikrer barna en representant gjennom det hele. Vi må sørge for at de får mulighet til å bygge opp trygghet og tillit til noen uten at de blir overlatt til seg selv for kortere eller lengre tid. Det er viktig. Det er klart at dette er vanskelig, all den tid mennesker skal bevege seg rundt i hele landet, men det å få på plass denne ordningen er i hvert fall en stadfesting av regjeringens ønske om å få dette til. Og så gjelder det å følge dette opp i praksis. Når det gjelder nemndledere, vil jeg si at jeg vil bruke Michael Tetzschners argumenter for nettopp å avskaffe åremålsordningen. Jeg vil si at uavhengigheten hos nemndlederne er et argument som taler for å avskaffe åremålsordningen. Alt det som handler om at man nettopp er nødt til å holde seg à jour med hele utlendingsfeltet – som jo er et komplisert felt som ligger i skjæringspunktet mellom det internasjonale og det nasjonale – gjør at det er gode grunner for å avskaffe en åremålsordning. Det er også et problem, som har vært pekt på av både de tillitsvalgte og UNEs direktør, at man utover i åremålsperioden opplever at nemndledere søker seg videre til andre steder, slik at åremålsperioden i realiteten ikke blir to fulle perioder, men en periode som etter hvert tar slutt, og der man har et sakte frafall i løpet av perioden. Jeg mener at vi nå får en ordning der man sikrer at folk blir der. Folk kommer, folk blir værende der og blir en del av utviklingen og kompetansen innen feltet over tid og sikrer sin uavhengige stilling. Det sikrer i realiteten bedre ansettelsesvilkår, noe jeg også tror vil bidra til at det vil bli enda mer attraktivt å søke på stillingene i Utlendingsnemnda enn det er i dag. Til slutt vil jeg si til Morten Ørsal Johansen at nå la han jo opp til å ta den store innvandringsdiskusjonen her. Jeg vil bare si helt enkelt at et forslag om å flytte vedtak og ankemuligheter tilbake til Justisdepartementet er noe jeg vil advare sterkt mot. Erfaringen vår med å behandle asylsakene og klagebehandlingen i Justisdepartementet er veldig negativ. Min erfaring fra den tiden er veldig negativ. Man risikerer å til Justisdepartementet er noe jeg vil advare sterkt mot. Erfaringen vår med å behandle asylsakene og klagebehandlingen i Justisdepartementet er veldig negativ. Min erfaring fra den tiden er veldig negativ. Man risikerer å få vedtak i Justisdepartementet der man godkjenner eller ikke godkjenner et vedtak, litt avhengig av hvilket politisk press det er på en sak, og så må man i ettertid finne ut hva som var de gode argumentene for å sikre at den saken skulle Det er ikke ønskelig. Vi ønsker en likebehandling av likelydende og likeverdige saker, og da er det å ha en politisk avgjørelse av dette ikke ønskelig. Et annet punkt er den lave terskelen. Du kan jo se for deg at du får en fremskrittspartijustisminister som skal sitte i regjering og være den som har avgjørelsesmyndighet. Men det er jo også slik at Fremskrittspartiet, så vidt jeg vet, respekterer både Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og flyktningkonvensjonen, som legger gulvet for hva det er som skal til. Det er altså ikke noe som er opp til politikerne å ta stilling til. Det er internasjonale rettsprinsipper. Presidenten vil bare minne om at all tale skal rettes til presidenten.
I denne saken diskuterer vi to viktige spørsmål: hvordan vi best sikrer at UNEs nemndledere har nødvendig kompetanse og erfaring til å fylle vervet, og enslige, mindreårige asylsøkeres rett til representant. For Senterpartiet er det helt sentralt å ha en balansert og konsekvent Menneskeverd, humanistiske tradisjoner og vårt internasjonale arbeid for å hjelpe mennesker som er forfulgt, ligger til grunn for vår politikk. Utlendingsmyndighetene må organiseres på en måte som sikrer en rask og forsvarlig saksbehandling, der den enkeltes rettssikkerhet ivaretas. Det er ikke tvil om at UNEs nemndledere har en krevende og viktig jobb. Rask og forsvarlig saksbehandling for alle søkere krever at stor og bred kunnskap og erfaring. Nemndlederne har et stort ansvar og må holde seg oppdatert på både ny landinformasjon og utviklingen i nasjonal og internasjonal rett. Verden er i stadig endring, og det er helt sentralt at nemndlederne innehar den nødvendige kompetansen og erfaringen for å kunne bidra til at de riktige avgjørelsene fattes. For å sikre god saksbehandling er det avgjørende at nemndlederne har evne til faglig Senterpartiet har som komiteens flertall konkludert med at en ordning uten åremål for nemndledere totalt sett vil være den beste løsningen for å oppnå dette. Det andre temaet er enslige, mindreårige asylsøkeres rett til representant. Det er ingen tvil om at barn som kommer alene til Norge som flyktninger, er i en svært sårbar situasjon. Derfor har Senterpartiet programfestet at vi vil sikre en god oppfølging av enslige, mindreårige asylsøkere, og at vergerollen skal være klar, god og tydelig. Det er viktig. Det er stor forskjell på å være verge for sin egen gamle mor og for en enslig, mindreårig asylsøker med til dels tung bagasje. Det er også stor forskjell på den tradisjonelle vergerollen for mindreårige barn og vergerollen for enslige, mindreårige asylsøkere. Derfor ser jeg klare fordeler ved å skille rollen gjennom å opprette en representantordning for enslige, mindreårige asylsøkere. Samtidig er det helt sentralt at det tydeliggjøres både hvor rollen som representant begynner, og hvor den slutter. Det er en forutsetning at de som påtar seg rollen, får den kompetansen som er nødvendig for at de skal kunne føle seg trygge i rollen, og at de har god oversikt over barnets rettigheter – gode nok til å kunne skaffe ytterligere støtte hvis det er nødvendig. Det er viktig at det ikke bare oppnevnes nok representanter, men at det oppnevnes representanter som Det betyr ikke bare at de gis nødvendig opplæring, men også at det fremskaffes politiattest. Jeg er opptatt av at det gjøres et systematisk arbeid for å rekruttere flere, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner og organisasjoner med eksempelvis barnefaglig kompetanse. Samtidig vil jeg understreke behovet for at barna får faste voksenpersoner som følger dem over tid. Med dagens vergeordning har dette vært utfordrende ettersom barna flyttes mellom mottak, og nye verger oppnevnes. Kontinuitet er sentralt for å oppnå tillit og for å kunne gjøre en god jobb som representant.

Dette var opprinnelig tenkt bare som en enkel stemmeforklaring, for Venstre kommer til å stemme sammen med Høyre om å beholde åremålsstillinga også for nemndledere. Det har for oss alltid vært et viktig prinsipp at når folk forvalter så mye makt, gjør man ikke det i en fast stilling. Når man blir tildelt en så stor og mektig rolle som det utfordres man faktisk også maktpolitisk. Jeg tror det er sunt i et demokrati at stillinger som innebærer så mye makt, også er åremålsstillinger. Jeg er glad for at regjeringa også endte opp med det når det gjaldt ledelsen for dette feltet. Det var klokt av regjeringa. De burde også ha gjort det når det gjaldt nemndlederne, for de forvalter mye makt over mange menneskers liv. Derfor mener vi prinsipielt, som vi alltid har ment, at det fortsatt bør være slik, og vi skal stemme for det. Så må jeg bare ha en liten bemerkning til Fremskrittspartiets representant, som mente at alle som ikke var født i Norge, var arbeidssky. Det er jo en uttalelse som man ikke vet om man skal le eller gråte av, men jeg har valgt å le av det i dag, og jeg kunne tenke meg at det hadde vært interessant – gjennom presidenten, så klart – å invitere representanten en tur på byen i Oslo og se hvor mange taxier vi hadde fått, eller hvor mye mat vi hadde fått på en restaurant hvis vi bare skulle bli servert av folk som foreldre – og aller helst også besteforeldre – som er født i Norge. Men kanskje enda mer alvorlig: Jeg hadde opplevelsen av å bli lagt inn på sykehus i denne byen, og jeg må si at det hadde blitt en dårlig behandling hvis man bare skulle ha folk med norsk statsborgerskap til å utøve behandlinga, for i løpet av en ukes opphold på Lovisenberg sykehus opplevde jeg å ha én sykepleier fra Oppdal, og det var det mest etnisk norske jeg i det hele tatt opplevde. Ellers syntes jeg det var fascinerende å oppleve å være på et kristent privat sykehus i Oslo med en overlege med hijab. Det var flott.
Når det gjelder avvikling av åremålsordningen for nemndledere i Utlendingsnemnda, har jeg merket meg at komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til de sentrale momentene framhevet i proposisjonen. Flertallet uttaler at avvikling av åremålsordningen vil bidra til at nemndledergruppen får større innslag av langvarig og bred erfaring, erfarne nemndledere beholdes, og at framtidige utlysninger vil tiltrekke flere godt kvalifiserte søkere. Dette vil i sin tur styrke UNEs kompetanse og saksavvikling. Komiteens medlemmer fra Høyre konkluderer likevel med at stillingene etter en samlet vurdering bør være på åremål, og det hørte vi også Venstre framføre. Medlemmene viser til at nemndlederne har stor innflytelse på utvikling av praksis på utlendingsfeltet og til at hensynet til faglig nytenking er viktig på et dynamisk fagfelt. Jeg kan ikke se at en nemndledergruppe med større og bredere erfaring skulle være dårligere rustet til å møte utfordringene på et krevende og dynamisk fagfelt. Jeg kan heller ikke se at systematisk utskifting av nemndledere er et nødvendig og spesielt tjenlig tiltak for å stimulere til faglig nytenking Dessuten er det ikke slik at gruppen vil bli fullstendig statisk dersom åremålsordningen avvikles. Det er for tiden 32 nemndledere ansatt i UNE, og i en såpass stor gruppe vil det alltid være en viss utskiftning. Det er riktig, som medlemmene fra Høyre bemerker, at nemndlederne i UNE har en spesiell rolle som uavhengige beslutningstakere i et domstollignende organ. Jeg mener imidlertid at denne rollen taler for å avvikle åremålsordningen. Nemndledernes uavhengighet er bestemt av Stortinget, og innføring av faste stillinger verner om denne uavhengigheten. Dersom UNEs praksis ønskes justert fra politisk hold, skal det skje gjennom lov og forskrift – ikke gjennom utskiftning av beslutningstakerne. Jeg merker meg at komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet ikke ønsker endringer i nemndledernes ansettelsesforhold. Dette begrunnes imidlertid ikke med innvendinger mot de foreslåtte endringene, men med at Fremskrittspartiet ønsker å avvikle Utlendingsnemnda som sådan. Det er et annet spørsmål, som ikke er temaet i dag. Avslutningsvis vil jeg understreke at ansettelse i åremål er unntaket, ikke regelen. Ingen bør ansettes i midlertidige åremålsstillinger med mindre særlige grunner taler for det. Jeg mener at det i nemndledernes tilfelle ikke er grunn til å fravike tjenestemannslovens hovedregel. Med hensyn til forslaget om representasjon for enslige, mindreårige asylsøkere, har jeg merket meg at en samlet komité slutter seg til de sentrale momentene framhevet i proposisjonen. Regjeringen foreslår å gi egne lovregler om enslige, mindreårige Det nye regelverket skal erstatte dagens ordning med verge for denne gruppen og vil synliggjøre at det er klare forskjeller mellom et oppdrag som verge og et oppdrag som representant for en enslig, mindreårig asylsøker. Enslige, mindreårige asylsøkere skal ha et like sterkt rettsvern som norske barn. Det er imidlertid viktig med et regelverk som ivaretar de særskilte behovene til en gruppe særlig sårbare barn. Den nye representantordningen understreker at alle enslige, mindreårige asylsøkere har krav på respekt og vern om sine rettigheter. Regjeringens forslag vil, sammen med den nye vergemålsloven som ble vedtatt våren 2010, sørge for økt rettssikkerhet til sårbare grupper, sikre kompetanseheving og bidra til en mer enhetlig vergeordning. De særskilte reglene om representant for enslige, mindreårige asylsøkere vil gi klarere retningslinjer for hva som skal være representantens oppdrag, og sikre at representantene får nødvendig og kvalitativt lik opplæring. Representantene skal i tilstrekkelig grad være kjent med asylsaksgangen og de særlige forhold som er knyttet til rollen som representant for enslige, mindreårige asylsøkere, og den foreslåtte representantordningen skal også sikre barna kontinuerlig oppfølging dersom barnet flytter, eller dersom det av andre årsaker er nødvendig å oppnevne ny representant. Enslige, mindreårige asylsøkere er sårbare for å bli utsatt for overgrep og rekruttering til kriminelle miljøer. Det skal derfor stilles krav om at alle som skal oppnevnes som representant, framlegger en politiattest i samsvar med reglene om barneomsorgsattest i ny politiregisterlov. Loven stiller krav om at

denne proposisjonen foreslås det bl.a. at åremålsordningen for nemndledere i Utlendingsnemnda skal avvikles og endres til faste stillinger. Utgangspunktet for at det tidligere var valgt åremål, var å sikre utskifting av nemndledere med jevne mellomrom. Åremålet var på fire år, med mulighet for gjenoppnevning. Det er viktig å rekruttere erfarne jurister med relevant og god erfaring til nemndlederstillingene. Dette kravet kan være vanskelig å kombinere med åremålsstillinger, i dette tilfellet begrenset til maks åtte år, muligens bare fire. Min erfaring med åremål er at det kan være en egnet ansettelsesform knyttet til enkelte lederstillinger, men åremål kan faktisk virke negativt å rekruttere bredt til stillinger. Jeg skal ikke konkludere med hensyn til om det har vært tilfellet i Utlendingsnemnda, men attraktiviteten til stillingen er viktig for å kunne tiltrekke seg flest mulig kvalifiserte søkere. Jeg registrerer at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er imot å avvikle åremålsordningen for nemndledere. Et av argumentene er å holde seg løpende oppdatert på feltet. Jeg vil si at det er fullt mulig å holde seg oppdatert selv om man ikke er åremålsansatt. Implisitt i argumentasjonen kan man lese det som at en ville gjøre et dårligere håndverk dersom man var fast ansatt. Jeg tror erfaring og kontinuitet vil være bra for dem som skal vurderes det er et riktig grep å endre stillingen fra åremål til fast stilling. Jeg tror også det er riktig å tilsette fast etter utlysing, slik at man får en ryddig og korrekt overgang til den nye stillingsformen – altså ingen automatisk overgang fra åremålstilling til fast stilling. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3. Etter ønske fra kommunal- og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

Holmås er til stede. Da går vi videre til neste taler, Lise Christoffersen – deretter Morten Ørsal Johansen.

Presidenten registrerer at Heikki Holmås nå er kommet i salen, så han er da neste taler etter Lise Christoffersen. Jeg forberedte meg nå på å tre ned igjen for å slippe til saksordføreren, for jeg hadde egentlig tenkt å vurdere å trekke innlegget mitt i denne saken etter å ha hørt saksordførerens innlegg, men nå får jeg holde det, som et lite pliktløp, og så får vi håpe at det er i samsvar med det saksordføreren kommer med etterpå. Jeg har ikke tenkt å hale tiden unødig ut i denne saken. Det er en samlet komité som står bak de særdeles knappe komitémerknadene. Uansett ståsted i den løpende asyl- og innvandringsdebatten er vi alle opptatt av betydningen av å kjenne identiteten til dem som til enhver tid oppholder seg i landet. Vi er opptatt av å bekjempe illegal innvandring og illegalt opphold. Med det nye Schengen-standardiserte oppholdskortet blir det vanskeligere å forfalske oppholdstillatelser eller forfalske sin identitet ved å bruke andres papirer. De som tjener aller mest på det, er jo de med lovlig opphold og de som søker beskyttelse i Norge. Jo mindre ressurser vi bruker på å oppklare ID og avsløre falske dokumenter, jo mer ressurser kan vi bruke på dem som har krav på vår oppmerksomhet. Samtidig presiseres det at å låne ut kortet til andre, som misbruker det, kan straffes med bøter eller fengsel. Det igjen kan få konsekvenser for den enkeltes muligheter for videre opphold. Så muligheten for slike reaksjoner kan kanskje også bidra til å forebygge misbruk. For alle dem som forholder seg til de lover og regler som gjelder på utlendingsfeltet, vil imidlertid de praktiske fordelene ved kortet være det som er viktig. Om vi skulle mene at alle fordelene ved det nye kortet for både myndigheter og brukere ikke er nok, er vi altså forpliktet til å innføre det nye kortet i henhold til EØS-avtalen, så vi har egentlig ikke noe valg! Neste taler er Heikki Holmås. Mens Holmås går opp til talerstolen, vil presidenten minne om at representantene skal være i salen når de skal ha ordet.
Det er jeg helt enig i. Noen ganger går sakene lite grann fortere enn det man har beregnet, og det er bare å beklage. Eller: Det er jo bra at det går fortere enn man har beregnet, men det er jo dumt at man er ute og blir tatt på sengen på grunn av det. Så da er det sagt. Komiteens merknader i denne saken er uhyre korte, og det er rett og slett fordi vi er helt enige med departementet. Her foreligger det et godt forslag fra regjeringen. Det er noe vi må gjøre, og det er noe som er bra. For noe av det som i hvert fall jeg har fått mange henvendelser fra folk om, er jo problemet med å få på plass grunnleggende banktjenester. Hvis man ikke har en ID som er avklart godt nok til at man kan få godkjent alt man trenger, hvis man ikke har fått fastlagt ID fra statens side, har man ofte problemer. Jeg tror det mest spesielle tilfellet jeg var borte i, var en dame som hadde studierettigheter i Norge, hadde rett på

som hadde studierettigheter i Norge, hadde rett på penger fra Statens lånekasse, men som ikke fikk opprettet bankkonto og dermed heller ikke fikk ut pengene fra Lånekassen, fordi vi har lyktes så godt med å effektivisere Statens lånekasse at alt dermed går automatisk. Det viser noen hverdagsproblemer som er veldig fjernt fra oss av dem som kommer til Norge, opplever, av forskjellige grunner, og som vi nå prøver å få ordnet opp i. Jeg har stor forståelse for at vi ikke kan gjøre banknæringen ansvarlig for å utstede det som de facto er identitetskort for en god del mennesker som oppholder seg i Norge. Det er ikke banknæringens jobb. Det er statens jobb. Derfor er det veldig bra at vi nå får på plass dette oppholdskortet. Det er bra for folk, for det betyr at de har muligheten til å integreres bedre i Norge. Jeg er sikker på at til og med Morten Ørsal Johansen fra Fremskrittspartiet er enig i at når innvandrere virkelig har stå-på-vilje, sånn at de vil ta utdannelse og komme seg i jobb, er det dumt hvis mangler fra det offentliges side er det som hindrer dem fra å gjøre jobben selv. Men det får vi altså ordnet opp i nå, og det er veldig bra! Undertegnede var her da det var hans tur til å Men det får vi altså ordnet opp i nå, og det er veldig bra! Undertegnede var her da det var hans tur til å stå på talerstolen. Jeg kan si meg enig med representanten Holmås i at de som kommer til Norge, har stå-på-vilje, ønsker å ta en utdanning, ønsker å bidra i det norske samfunnet, dem støtter også Fremskrittspartiet 100 pst. opp om. Det er klart at sånne innvandrere er heller ikke noen utfordring for det norske samfunnet. Snarere tvert imot, de kan være en berikelse for det norske samfunnet. Når vi nå skal innføre et slikt system gjennom Schengen for biometriopplysninger i oppholdskort, er vi positive til det. Det er en samstemt komité som er positiv til det. Det er et skritt i riktig retning. Det er ikke minst viktig å vite hvem som kommer til Norge – og eventuelt blir her. Det som også er positivt med ordningen, er at departementet nå går inn for at det skal være en plikt å avlevere biometriopplysninger til oppholdskortet. Men det er også en plikt å avgi fingeravtrykk for kontroll opp mot de opplysningene som ligger i kortet. Men så har vi sett en del utfordringer når det gjelder fingeravtrykk. En del personer ønsker tydeligvis ikke å være behjelpelige med filer vekk fingeravtrykk, de brenner dem vekk. Endog er det oppdaget at en del får utstyrt seg med falske fingeravtrykk. Derfor ønsker Fremskrittspartiet i neste omgang å gå enda lenger når det gjelder de biometriske opplysningene som skal være i et slikt kort, nemlig at det også legges inn en DNA-profil. DNA-profilen er det nye fingeravtrykket. Muligheten for å endre DNA-profilen sin er lik null, i motsetning til fingeravtrykk. Men Fremskrittspartiet synes at dette er en forbedring. Det er positivt at vi nå går inn for å få slike opplysninger som gjør at det blir en sikrere hverdag, for norske myndigheter og ikke minst for de innvandrerne som er i Norge. Vi håper at innføring av DNA-profiler er det neste riktige skrittet som blir tatt. Det er positivt at vi nå får et oppholdskort som er standardisert innenfor Schengen-området. For noen år siden besøkte jeg ventemottaket – som det het den gangen – i Lier. Da kunne han som ledet mottaket, fortelle at den karen som satt der borte, hadde vært i Norge under 14 Men han hadde ikke noe oppholdskort, så de måtte avklare det hver gang. Dette er også et veldig viktig skritt i raskt å kunne kartlegge identiteten til dem som kommer tilbake gang etter gang, etter avslag på asyl. Det er et viktig element. Så det er på en måte den innvandringsregulerende delen av det som er viktig. Men det er også veldig viktig, som andre har vært inne på, at de som kommer til Norge, og som skal fungere som en del av det norske samfunnet, har et dokument som gir dem muligheten til f.eks. å benytte seg av banktjenester og kunne vise hvem de er. Så det er viktig. Det er lengre passuser i proposisjonen om personvernforhold. Det mener komiteen er godt ivaretatt, sånn som det nå er utformet. Det har vært noen diskusjoner om hva Datatilsynet mener, men stort sett er dette godt ivaretatt – også personvernhensyn – bl.a. ved at fingeravtrykkene og biometrien lagres i kortet. I den forstand skal det ikke kunne misbrukes. Så jeg hilser dette velkommen. Det var jo veldig korte merknader til denne saken. Det var fordi vi fikk beskjed om at dette var en sak som hastet veldig. Så da håper jeg at det blir raskt iverksatt, og at en snart får utstedt disse kortene. Jeg er

glad for at komiteen slutter seg til regjeringens forslag om å innføre Schengen-standardisert oppholdskort med biometri. Lovendringen etablerer en ordning som innebærer at det skal utstedes oppholdskort med elektronisk lagret biometri til alle som innvilges oppholdstillatelse i Norge. Dette vil øke sikkerheten rundt dokumentasjon på oppholdstillatelse, og dermed bidra til å forebygge illegal innvandring og illegalt opphold. Det er hensyn som det er viktig for regjeringen å ivareta. Samtidig vil kortene også kunne gjøre det enklere for brukerne å dokumentere oppholdstillatelsen overfor andre aktører enn myndighetene, så som arbeidsgivere, banker mv. Dette vil også gjøre det enklere for utlendinger som er innvilget oppholdstillatelse i Norge, men som av ulike grunner ikke har vil oppholdskortet kunne anses som tilstrekkelig dokumentasjon for å etablere grunnleggende banktjenester, noe som er viktig i hverdagen for alle som har fått innvilget oppholdstillatelse og som skal fungere i det norske samfunnet. Som det framgår i proposisjonen, er departementet også i gang med å utrede om alle fingeravtrykk som opptas i forbindelse med utstedelse av oppholdskort og visum, også bør lagres i et nasjonalt register eller en såkalt database. De ulike fordelene og ulempene ved å opprette et slikt register må avveies, og det må utredes hvilke økonomiske og administrative kostnader og gevinster en slik etablering vil innebære. Samtidig er det viktig å se hen til personvernhensyn – også ved denne vurderingen. Dette er spørsmål det må arbeides videre med.

med biometri vil øke sikkerheten rundt dokumentasjon på oppholdstillatelse og på den måten bidra til å bekjempe illegal innvandring og ulovlig opphold. Dokumentasjonen forbedres, og rettssikkerheten for enkeltindivid knyttet til ID-fastsettelse styrkes. Denne endringen vil bedre vår utlendingsforvaltning og er udelt positiv. Denne typen kan bl.a. være aktuell for utlendinger som får innvilget grenseboerbevis. I november 2010 ble det undertegnet en avtale om grenseboerbevis mellom Norge og Russland. Når avtalen trer i kraft, vil innbyggerne i grensenære områder på norsk og russisk side etter søknad kunne få utstedt et grenseboerbevis. Den norsk-russiske grensen var stengt i om lag 70 år. At vi nå kan få til en smidig trafikk over grensen for dem som bor grensenært, er utrolig gledelig. Det betyr en ytterligere styrking og videreutvikling av Sør-Varanger som brohode inn til Russland. Det kan bety økt næringsutvikling i området, det vil bety økt folk-til-folk-samarbeid og en ytterligere videreutvikling av nordområdepolitikken. Vi ser at regjeringens arbeid på dette feltet manifesterer seg i praktisk gjennomført politikk, til det beste for innbyggerne i nordområdene. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4. Etter ønske fra kommunal- og forvaltningskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og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

I representantforslaget fra Venstre fremmes fire forslag. Det siste av disse fire forslagene er det mest vidtgående. Her foreslås det at Stortinget skal be regjeringen «gjennomføre en regularisering for papirløse innvandrere» – altså amnesti. Venstre fremmet et forslag som på mange måter er sammenfallende med dette forslaget, og et bredt flertall i komiteen viser til sine merknader i den innstillingen – Innst. 283 S for 2010–2011. Komiteen har forelagt forslagene fra Venstre for regjeringen og har mottatt et fyldig svarbrev, signert justisminister Grete Faremo. Det normale er da at en fra komiteens side henviser til brevet fra statsråden i innstillingen, noe jeg som saksordfører naturligvis også har gjort. Det oppsiktsvekkende er at ikke vil være med på å vise til brevet fra justisminister Grete Faremo. Det er altså ikke en forglemmelse – regjeringspartiene har flere ganger blitt spurt om de vil være med på en merknad som viser til brevet fra statsråden. Svaret har vært det en kan kalle mumling, uten klar konklusjon. Vel, Høyre og Fremskrittspartiet har i alle fall vist til svarbrevet. De rød-grønne har i sin svært knappe merknad vist til at regjeringens politikk, herunder Soria Moria-erklæringen, ligger fast, og at de ikke har ytterligere merknader. Et mer tydelig uttrykk for at det er fullstendig intern splittelse blant regjeringspartiene om hvordan en skal håndtere saker om ulovlige innvandrere, skal en lete lenge etter. Det er jo påfallende at debatten om disse spørsmålene raser utenfor denne sal, mens man i landets lovgivende forsamling opplever at regjeringspartiene overhodet ikke tar stilling til realitetene i Venstres forslag. Høyre har sammen med Fremskrittspartiet valgt å kommentere hvert av forslagene fra Venstre, men vi har naturlig nok ikke hatt anledning til å gå inn på alle de tilleggsforslagene som kom på bordet fra Venstre i dag. Forslag nr. 1: «Stortinget ber regjeringen gjennomgå asylpolitikken med utgangspunkt i de papirløses situasjon og gjennomføre nødvendige endringer for å sikre mennesker i Norge grunnleggende humanitære rettigheter, trygghet og forutsigbare liv.» Høyre vil peke på at Norge bestreber seg på å føre en human, rettferdig og streng asylpolitikk som følger opp de internasjonale konvensjonene Norge er forpliktet av. Vi deler regjeringens syn på at det ikke er behov for en større gjennomgang av asylpolitikken på bakgrunn av situasjonen til de papirløse – eller returnekterne, som jeg foretrekker å kalle dem. Forslag ber regjeringen sørge for at papirløse innvandrere mottar nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp, selv om de mangler identifikasjonspapirer.» Et lignende forslag var oppe i fjor da vi behandlet det tidligere nevnte forslaget. Da ble det vist til en høring. Den 3. november 2011 ga Helse- og omsorgsdepartementet nye retningslinjer for helsehjelp til personer uten fast opphold i riket og personer uten lovlig opphold i Her framgår det at alle har rett til øyeblikkelig hjelp. Videre framgår det at alle har rett til helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente. Det går også fram at uavhengig av oppholdsgrunnlag har barn og gravide tilnærmet full rett til helsehjelp. Vi mener derfor at forslag nr. 2 er overflødig, og at det allerede er ivaretatt. Forslag nr. 3: «Stortinget ber regjeringen legge forholdene til rette for at papirløse innvandrere kan arbeide lovlig og betale skatt inntil ønsker ikke å utvide muligheten for at personer uten lovlig opphold skal kunne arbeide. Å gi arbeidstillatelse for personer uten lovlig opphold vil være selvmotsigende og bidra til å undergrave respekt og tillit til asylinstituttet. Plikten og incentivene til å returnere frivillig ville undergraves fullstendig. Men vi vil peke på at det kan gis arbeidstillatelse hvis avslaget foreløpig ikke skal iverksettes. Det forutsetter at asylsøkeren har fått arbeidstillatelse mens asylsøknaden var under behandling, og kan være aktuelt der hvor asylsøkeren samarbeider med utlendingsmyndighetene om retur og identitet. Så er det da det siste forslaget, nemlig forslag om en regularisering for papirløse innvandrere. Vi ønsker ikke fra Høyres side å gi et amnesti for returnektere. Det er ikke ønskelig at mennesker oppholder seg ulovlig i Norge, med de uheldige konsekvensene dette har for samfunnet og for de berørte gi oppholdstillatelse til denne gruppen kan føre til at stadig flere unnlater å reise til hjemlandet etter endelig avslag, og vil undergrave tilliten til asylinstituttet. Vi har i dag en regulariseringsordning. Utlendingsforskriften § 8-5 fastslår at barns tilknytning til Norge skal tillegges særlig vekt ved vurderingen av opphold på humanitært grunnlag. Jeg ser at jeg ikke rekker å gå inn på de nye forslagene som Venstre har fremmet. Jeg vil komme tilbake til det i et annet innlegg men jeg vil allerede nå signalisere at Høyre kun ønsker å støtte forslag nr. 9, fra Venstre. De andre forslagene vil vi gå imot.
har redegjort for deler av – i hvert fall det han rakk – innholdet i representantforslaget fra Venstre. Men han rakk også en liten tur innom regjeringspartiene og kommenterte at her er det fullstendig intern splittelse. For min egen del har jeg registrert en intern splittelse også i Høyre, hvor representanten Helleland åpenbart ikke er helt i takt med sin partileder Erna Solberg når det gjelder en ny gjennomgang av sakene til lengeværende barn. Men nok om det. Vi får sikkert mulighet til å komme tilbake til det senere i debatten. Tilbake til Venstres forslag: Det handlet altså opprinnelig om en utvidelse av rett til helsetjenester, om forlenget arbeidstillatelse og om en såkalt regularisering for personer uten lovlig opphold i Norge. Det er mindre enn ett år siden Stortinget behandlet likelydende forslag fra de samme representantene. Forslagene ble da nedstemt med et litt vekslende, men klart flertall her i Stortinget. Ett av forslagene fra Venstre i fjor lød altså slik: «Stortinget ber regjeringen vurdere saken om permanent oppholdstillatelse av lengeboende i Norge i lys av de ulike modellene som andre europeiske land har brukt.» Det forslaget fikk bare sju stemmer, fra Venstre og Kristelig Folkeparti. Det er vanskelig å se hva som har endret seg på disse få månedene, bortsett fra at det i den siste tiden har vært en offentlig debatt om temaet lengeværende barn, som Venstre ønsker å presse fram en votering på allerede i dag gjennom sine forslag over bordet. Men såpass store krav må en vel ha lov til å stille til oss som at det viktige spørsmålet om lengeværende barn også var en del av våre vurderinger da vi behandlet saken for kort tid siden – i hvert fall var det det da for oss i Arbeiderpartiet, på samme måte som det er det i dag. Tillat meg derfor et kjapt tilbakeblikk på hva vi sa i den forrige debatten. Det forelå også da et brev fra statsråden, som understreket at «det ikke er noen tvil om at det kan være en stor belastning å befinne seg i en situasjon der livet er satt på vent, særlig når dette innebærer å oppholde seg i skjul og med begrensede velferdsgoder. Særlig for barn er dette en uholdbar tilværelse. Barn er ikke skyldig i sine foreldres valg, men blir ofte en skadelidende part. Selv om det i dagens regelverk og praksis legges særlig vekt på barns tilknytning til riket, ønsker regjeringen å se ytterligere på situasjonen for barn som har levd lenge i Norge ulovlig. Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding hvor det vil bli gitt en bred og samlet gjennomgang av sentrale problemstillinger knyttet til barn på flukt. Meldingen vil drøfte nærmere situasjonen for lengeværende barn og om det eventuelt er grunnlag for en oppmykning av praksis for denne gruppen, slik at betydningen av ulovlig oppholdstid i mindre grad enn i dag skal tale mot at det kan gis en oppholdstillatelse. Dette er således spørsmål regjeringen vil komme tilbake til.» Det er slik vi fortsatt ønsker å ha det. Vi ønsker å behandle denne saken med det alvoret den fortjener, i en samlet vurdering av situasjonen for barn på flukt. Vi kommer ikke til å stemme for Venstres forslag her i dag. Vi støtter innstillingen om at representantforslaget vedlegges protokollen. Arbeiderpartiets stortingsgruppe skal få muligheten til å vurdere saken nøye når stortingsmeldingen om barn på flukt kommer. Vi vil imidlertid signalisere at vi fortsatt ønsker å basert på våre internasjonale forpliktelser om beskyttelse for dem som trenger det. Det betyr at det er utlendingsmyndighetene som skal vurdere om et slikt beskyttelsesbehov foreligger. Det kan ikke være slik at bare du har barn og har klart å oppholde deg i Norge et visst antall år, så får du bli uansett. Da har vi ikke lenger noen asylpolitikk, men i praksis fri innvandring for barnefamilier. De færreste mener vel det, men mange mener at vi midlertidig skal avvike fra asylpolitikken og finne en løsning for de barna som er her nå. Det engasjementet er forståelig. Disse barna er uforskyldt havnet i en umulig situasjon, men vi har altså prøvd den oppskriften før, i 2004. Det gikk bare tre år, så var vi der igjen – med nye lengeværende barn. Den nye utlendingsforskriften ble så endret i 2007, og nå er vi der igjen, i 2011–2012. En midlertidig regularisering løser ingenting. Vi må finne andre virkemidler som er varige, hvis det er mulig. I fotballen snakker vi om «overgangsvindu». Jeg lurer på når Venstres «overgangsvindu» i denne saken stenges – for det vil måtte stenges. Venstre sier selv at det er et forslag av midlertidig art. Dette kan kanskje Trine Skei Grande svare på selv: Når stenger Venstres «overgangsvindu» for dem som

enslige, mindreårige asylsøkere, mens en rekke bor der sammen med foreldrene sine. De er enten blitt født mens foreldrene bodde i asylmottaket, eller de er såkalt medfølgende barn. Noen har også norsk mor eller far, som asylsøkerne har møtt i Norge. Både i 2004 og i 2006 fattet regjeringen et vedtak som ga asylsøkere med botid på over tre år muligheten til ny saksbehandling, noe som for de fleste førte til opphold i landet. Effekten i etterkant har vært at Norge mottok langt flere asylsøkere, fordi noen oppfattet beskjeden slik at blir du lenge nok i Norge, får du til slutt opphold. 2004 var som sagt første gang at Stortinget fikk et forslag om å vedta et amnesti for asylsøkere med lang botid. Da støttet Fremskrittspartiet forslaget om en unntaksbestemmelse for å løse et problem som hadde oppstått på grunn av Bondevik-regjeringens liberale asylpolitikk. De turte ikke å sende ut avviste asylsøkere og lot dem i stedet bo på asylmottak i årevis. Vår forutsetning var at politikken så måtte legges om. Asylsøkere med avslag måtte raskt sendes ut av landet eller plasseres i lukkede mottak, slik at de ble oppfordret til å forlate landet og reise hjem frivillig, noe de fleste faktisk kan. Det skjedde ikke. Da den rød-grønne regjeringen tok over, vokste problemene med asylpolitikken, og i 2006 var situasjonen akkurat den samme. Fortsatt ble asylsøkere boende i lang tid på mottakene, og igjen kom forslaget om et amnesti. Fremskrittspartiet avviste da forslaget med en henvisning til at amnestiet fra 2004 var en unntaksløsning. I 2009 kom situasjonen enda en gang. Da var det over 300 avviste irakiske kurdere som måtte få bli fordi de hadde bodd så lenge på asylmottak. Tilhengerne kalte det en unntaksløsning for å løse et uvanlig problem. Nå er situasjonen her igjen. 450 unger, både med og uten foreldre, har bodd i norske asylmottak i over tre år fordi regjeringen ikke har framforhandlet returavtaler, eller fordi de ikke er tvangsreturnert eller har reist frivillig. Fremskrittspartiet er imot å gi nok et amnesti for asylsøkere. Det er regjeringens ansvar at det nå er 450 asylunger som ikke er sendt ut umiddelbart etter at avslag er gitt. Arbeiderpartiet er tøff i medieutspillene sine, men i handling er de svake. Familiene dette gjelder, har trodd at de skal få opphold, siden ingen har greid å sende dem ut av landet. Det er et stadig tilbakevendende problem, som forteller om alvorlige mangler i norsk asylpolitikk. Det er galt å belønne barnefamilier som gjennom egne, selvstendige valg har valgt å bli boende i asylmottak i tre år eller lenger. Det er foreldrene som må bære hovedansvaret for at de har satt ungene i denne situasjonen. Det gjelder, med andre ord, ikke bare 450 unger, men også foreldrene deres. Historien med amnesti viser at asylsøkere har sterke incentiver til å bli boende i mottak og motsette seg frivillig retur. Blant de 450 asylungene kan det selvsagt finnes personer som det er utført et for strengt skjønn Det er kanskje også noen som nå har grunnlag for å bli værende i Norge fordi situasjonen i hjemlandet har endret seg. Det er det i så fall UNE som må avgjøre. Fremskrittspartiet har fremmet en rekke forslag om hvordan asylsøkere skal behandles og ivaretas når de kommer til Norge, f.eks. at asylsøkere uten sikker ID skal plasseres i lukkede mottak, og at asylprosessen må være mye, mye mer effektiv. Lange ventetider er ikke bra, Fremskrittspartiet mener også at avviste asylsøkere umiddelbart skal plasseres i utreisemottak eller i lukkede mottak i påvente av retur. Det oppfordrer og motiverer til frivillig retur. Vi har videre foreslått at asylsøkere ikke skal få anledning til å jobbe, ta utdanning eller lære norsk i påvente av retur. Det oppfordrer ikke til frivillig retur. Når en person kommer til Norge og søker asyl, kan han eller hun etter en lang og omstendelig behandling i UDI klage på vedtaket. Dersom de ikke får medhold, kan de klage til UNE, og får de ikke medhold i UNE, kan de sende så mange omgjøringsbegjæringer de bare orker. I 2010 behandlet UNE 4 074 omgjøringsbegjæringer. Dersom en legger til grunn at 140 omgjøringsanmodninger krever ett årsverk, måtte 29 personer hver eneste dag jobbe med å behandle omgjøringsbegjæringer. Nesten ingen av de som søker om omgjøring, får medhold. Tallet 140 er forresten hentet fra NOU-en fra 2010 om klagesaker i utlendingsforvaltningen. Dette utvalget foreslår å stramme inn adgangen til å sende omgjøringsbegjæringer. At saken fortsatt er til behandling hos regjeringen, sier i grunnen det meste om hvor tafatt den rød-grønne regjeringen har vært når det gjelder norsk
Representanten Morten Ørsal Johansen har tatt opp det forslaget han refererte til. SV har i en årrekke jobbet for at asylsøkernes unger som har vært lenge i Norge, skal få bli i landet. Jeg vil gjerne rose Venstre, som fremmer forslag og dermed bidrar til å holde denne debatten varm. Vi jobber nå for å få til en løsning i regjeringen for disse ungene. Første gang vi fremmet forslag om dette, var jeg selv med på det. Den gangen satt Venstre i regjering, Kristelig Folkeparti likeså. Jeg satt i opposisjon. Vi ønsket den gangen en varig ordning som sikret at barn fikk opphold. Den gangen gikk alle partiene på Stortinget istedenfor inn for en amnestiliknende ordning som sikret over 200 barn muligheten til å bli værende i Norge. Problemet var at året etter var det like mange barn som hadde sittet lenger enn tre år i asylmottak. Den gangen fremmet vi også et forslag, men den gangen fikk vi ikke med oss flere enn Senterpartiet. De andre stemte imot. Å styre gjennom en slik type enkeltopprydning i enkeltsaker er dårlig politikk. Det sank inn blant alle partiene på Stortinget året etter. I 2006, da vi hadde rød-grønn regjering, fremmet Kristelig Folkeparti det samme forslaget som jeg tidligere hadde vært med på å fremme. Da framforhandlet Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet et nytt regelverk for å imøtekomme Kristelig Folkepartis forslag. Jeg var selv en del av den diskusjonen og den forhandlingen med de andre partiene i regjering, forhandlet med Bjarne Håkon Hanssen og Senterpartiets Magnhild Meltveit Kleppa. Det var da to ting som var viktige for oss. Det ene var at vi skulle ha et regelverk som tok sterkere hensyn til ungene. Det andre var å lage en varig ordning og ikke et amnesti. Den varige ordningen ble en styrking av barnets beste i den nye utlendingsloven og i dag er § 8-5 i utlendingsforskriftene. Den sier: «Ved vurdering av sterke menneskelige hensyn etter § 38, skal barns tilknytning til riket tillegges særlig vekt.» Hør på det: Særlig vekt skal det tillegges, barns tilknytning til riket. Bjarne Håkon Hanssen sa i den debatten flere forskjellige ting. Han trakk fram at det var bedre å ha en generell ordning enn en ordning som gikk helt eksplisitt på antall år, for, som han sa: «Vi kunne da ha fått en situasjon der en familie med barn som hadde vært på et asylmottak i tre år og noen dager, men som egentlig hadde et svakere grunnlag for opphold, enn en familie som hadde vært der i to år, elleve måneder og noen uker, hadde fått det. Det ville altså vært tilfeldigheter som Derfor ville han ha en generell ordning, og det var det vi gikk inn for. Han sa også følgende: «Samtidig er vi klar over at f.eks. sterk tilknytning til riket er et grunnlag for opphold, og at det må ligge til grunn at barn ofte vil opparbeide slik tilknytning raskere enn voksne. Det er derfor Regjeringens politikk at vi ønsker at barns tilknytning til riket skal tillegges større vekt enn i dag, altså at vi skal justere regelverket slik at barns tilknytning til riket skal tillegges større vekt enn i dag.» Det sa Bjarne Håkon Hanssen den gangen, og Kristelig Folkepartis Bjørg Tørresdal fulgte opp med å si: «Det er gledelig at regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre på Stortinget har blitt enige om en ny politikk for mindreårige asylsøkere. Jeg har tro på at vi gjennom de foreslåtte endringer ikke vil komme i samme situasjon med at hundrevis av barn sitter i årevis i en uavklart livssituasjon.» Det var Stortingets intensjon å gjøre noe med det den gangen, men nå er vi igjen i en situasjon der det sitter hundrevis av barn her lenge. Bakgrunnen for det er at regelverkets praktisering i Utlendingsnemnda er mye strengere enn det vi forutsatte den gangen vi fattet vedtakene om endring. Flere ganger senere har vi derfor tatt opp bekymringen for lengeværende barn med tidligere justisminister Knut Storberget. Han satte i gang arbeidet med stortingsmeldingen om barn på flukt og uttalte i den forbindelse at år er et hav av tid i et barns liv. Meldingen som kommer, skal kartlegge disse barnas situasjon og derfor åpne for en bredere debatt. Regjeringen jobber for å få på plass en permanent ordning for asylbarna, men så lenge vi ikke får til en enighet om en ny politikk i regjeringen, stemmer vi derfor imot forslaget som er framlagt fra Venstre her i dag. Det å samarbeide i regjering innebærer at partiene blir enige om alt gjennom forhandlinger i regjeringen. Det er i SVs interesse, det er i barnas interesse. Bryter vi denne samarbeidsformen, vil det ikke nødvendigvis være flertall for ting som det er nødvendig å bli enige om her i Stortinget. Det foregår en stor debatt ute i samfunnet som vekker sterkt engasjement – fra Fremskrittspartiet og helt til venstre i norsk politikk. Vi har en god debatt, vi har et sterkt press for å endre praktiseringen av dagens regelverk, og vi er optimistiske med tanke på at vi skal få til en løsning som er bra for barna. Senterpartiet vil ha en innvandrings- og integreringspolitikk som setter menneskeverd i fokus, der enkeltmennesket har klare rettigheter og plikter. Alle som søker asyl i Norge, skal ha en trygghet for at rettssikkerheten ivaretas. Senterpartiet ønsker en klar praksis, slik at man ikke gjennom uklare signaler bidrar til å øke tilstrømningen av folk som ikke har grunnlag for beskyttelse, og dermed ikke får opphold. Jeg legger til grunn at asylsøkere som har et beskyttelsesbehov, får asyl. Når det ikke foreligger beskyttelsesbehov og det heller ikke er grunnlag for opphold på humanitært grunnlag, innvilges det ikke asyl. Konsekvensen må selvfølgelig være at vedkommende må returnere til hjemlandet. De fire forslagene fra Venstre omhandler papirløse innvandrere, et begrep jeg har slitt med å forstå definisjonen av helt siden jeg begynte å Slik jeg tolker begrepet «papirløse asylsøkere», må det gjelde dem som ikke klarer å framskaffe nødvendig dokumentasjon på identitet fordi de kommer fra land med uklare fødselsregistre, eller fordi de kommer fra land som ikke utsteder pass. Noen bruker begrepet om dem som selvforskyldt er uten innreisedokument fordi de har tilintetgjort passet ved ankomst, eller om dem som har oppgitt flere forskjellige identiteter. I dette representantforslaget brukes begrepet om personer uten lovlig opphold i Norge, altså returnektere som ikke har oppfylt plikten de har til å returnere til hjemlandet når endelig avslag på asylsøknad foreligger. Dette er en gruppe hvor de fleste har avklart identitet, altså er de ikke papirløse. Venstre ønsker at alle som oppholder seg ulovlig i Norge, skal få arbeidstillatelse inntil kjent utreisedato. For meg ville det være en stor selvmotsigelse om alle som får avslag på asyl, skulle konkurrere i arbeidsmarkedet på lik linje med dem som har fått innvilget asyl. Hovedprioritet må være bosetting og god integrering av dem som har fått oppholdstillatelse. Forslagsstillerne ber regjeringen gjennomføre en regularisering for papirløse innvandrere. Jeg legger til grunn at Venstre med papirløse her mener asylsøkere som har fått avslag og oppholder seg ulovlig i Norge. Å gi oppholdstillatelse til den gruppen vil føre til at stadig færre med avslag vil returnere frivillig. Senterpartiet vil føre en rettferdig asylpolitikk. Er det rettferdig at returnektere, f.eks. etter å ha oppholdt seg fire–fem år i Norge, automatisk skal få oppholdstillatelse, mens en annen i akkurat samme situasjon, som valgte å følge norsk lov og returnere til samme hjemland etter avslag på asylsøknad, ikke får opphold i Norge? På ingen måte vi kan ikke belønne noen for å trenere et lovlig fattet utvisningsvedtak. I dag foreligger det enda åtte forslag fra Venstre i tillegg til de fire opprinnelige. Jeg har bare tid til å kommentere noen av dem. Et forslag går ut på å gi familier med barn automatisk oppholdstillatelse dersom de har oppholdt seg i Norge i mer enn tre år. Det ville medføre en liberalisering av norsk asylpolitikk, som etter all sannsynlighet av asylsøkere uten reelt beskyttelsesbehov. Det betyr ikke at jeg ikke er bekymret for unger som oppholder seg i mottak over lang tid. Asylmottak er ikke et godt sted å vokse opp. Men en automatisk oppholdstillatelse for alle barnefamilier som har vært i Norge i mer enn tre år, ville oppleves dypt urettferdig for andre unger i nøyaktig samme situasjon, men der foreldrene valgte å følge norsk lov og returnere ved avslag. Jeg ønsker ikke å legge til rette for en politikk som kan gi oss en stadig større gruppe lengeværende barn i årene framover fordi tilstrømningen øker. Tilliten til asylinstituttet vil bli svekket dersom avslag på asyl i praksis ikke får andre konsekvenser enn at man ikke får tildelt bolig før etter tre år. er nå nede i ca. ett og et halvt år, dvs. at barnet ikke opparbeider seg sterk tilknytning til riket i saksbehandlingstiden. Målet må være å redusere saksbehandlingstiden ytterligere og sørge for rask retur, slik at vi unngår at unger i framtiden blir sittende lenge i mottak. Når det gjelder spørsmålet om de 450 lengeværende barna som er i Norge i dag, skal få bli, er ikke svaret ja eller nei. Svaret er at noen bør få bli og noen bør sendes ut av landet. Onsdag kom f.eks. Utlendingsnemnda fram til at Nathans sak skal vurderes nærmere – individuelle vurderinger er og blir gjort. Jeg har full tillit til forvaltningen og til at barns beste vil bli tillagt stor vekt. Det er ikke vår rolle som politikere å behandle enkeltsaker. Senterpartiet er opptatt av situasjonen til de lengeværende barna, og vi vil se grundig på hva som er riktig løsning for disse familiene. vi vil se grundig på hva som er riktig løsning for disse familiene. Det vil bli et viktig tema i stortingsmeldingen om barn på flukt. Aller først til frykten for at mer hensyn til barna skal føre til at Norge oversvømmes av asylsøkere. Den frykten er ikke reell. Hvis man ser på den endringen som skjedde i 2004, der representanten Heikki Holmås spilte en vesentlig rolle, kan vi se at det i 2005 og 2006 overhodet ikke førte til at det kom en flom av nye asylsøkere. Vi har aldri hatt så lave asyltall som vi hadde i 2005 og 2006. I 2005 kom det 5 402 asylsøkere, i 2006 5 320. Når det gjelder asylsøkere i 2008 og 2009 – ja, det kom mange asylsøkere den gangen – tror jeg vi må lete etter andre årsaker enn at man gjorde en regelendring i 2007. Blant annet endret Sverige sin praksis overfor irakiske flyktninger, og hvis man ser på dem som kom til Norge, så var det ikke i hovedsak familier som kom. Det var asylsøkere fra Afghanistan, Somalia, Eritrea, Iran og Irak. Så det å påstå at resultatet av å ivareta asylbarn på en bedre måte enn det vi gjør i dag, blir en flom av nye asylsøkere, er å leke med tall. Det har i hvert fall ikke rot i virkeligheten. Vi går og venter og venter og venter på å få stortingsmeldingen Barn på flukt. Den ble varslet for over ett år siden. I forkant av den meldingen sa Knut Storberget nettopp det som ble presisert, at to–tre år i et barns liv er et hav av tid. Det gjorde at veldig mange av oss håpet på at denne meldingen skulle komme med noen nye endringer som kan gjøre at vi ivaretar asylbarna på en bedre måte enn vi gjør i dag. Før jul stilte jeg justisministeren et skriftlig spørsmål hvor jeg spurte om de ville berostille alle saker som gjaldt lengeboende barn, til vi har behandlet denne stortingsmeldingen. Svaret var definitivt nei, noe som også er blitt gjentatt senere. Jeg frykter at meldingen, basert på det svaret jeg fikk, og det som er blitt uttalt senere, ikke kommer til å inneholde særlig mye nytt. I 2007 vedtok Stortinget altså en ny forskrift, som Heikki Holmås har redegjort for, hvor det bl.a. slås fast at barns tilknytning til riket skal legges vekt på i behandlingen av asylsaker. Det handler om lengeboende asylbarn, som er i Norge, og som Norge av ulike årsaker ikke har kunnet returnere. Min og Kristelig Folkepartis bekymring er at praksisen har endret seg. Det står i utlendingsloven at man skal ta hensyn til barns beste, og så står det at man kan ta innvandringsregulerende hensyn. Praksis i dag er at man har snudd dette på hodet. Jeg har lest flere avslag fra UNE hvor UNE for så vidt innrømmer at her er det grunnlag for å legge vekt på barns beste, men innvandringsregulerende hensyn må allikevel veie tyngre. Igjen har vi altså en debatt om papirløse. Vi hadde det også for ett år siden i kjølvannet av Maria Amelie-saken. Det er ikke kommet noe nytt. Det er ikke blitt gjort noen endringer siden den gang. Derfor har vi saken her igjen, og derfor utfordrer vi igjen regjeringen til å se på de papirløses situasjon i Norge – når det gjelder både retten til arbeid, retten til helsehjelp og det å kunne gi flere opphold på humanitært grunnlag. Vi må huske på at mange av de papirløse vi her snakker om, har bodd i Norge i veldig mange år. Jeg har hørt om papirløse som har bodd her i 17 år. Hva har man tenkt å sende vedkommende tilbake til? Andre land i Europa har gjort dette. Norge er i ferd med å bli et utenforland. Vårt svar – regjeringens svar – har hele tiden vært retur, retur, retur, selv om de ikke har kunnet returnere dem. Fokuset nå har vært på lengeboende asylbarn. Jeg og Kristelig Folkeparti deler Venstres syn i denne saken. Vi må ha en politikk som ivaretar asylbarna på en bedre måte, og vi må gå tilbake til forskriften som Stortinget vedtok i 2007, der vi igjen sier klart ifra om at barns beste skal ivaretas – ikke kan, men skal ivaretas. Jeg kommer til å be om ordet igjen, for jeg ble overhodet ikke ferdig. Jeg tar opp de forslag som Kristelig Folkeparti har fremmet

Grunnen til at Venstre fremmer forslaget om papirløse på nytt, kunne Arbeiderpartiet ha funnet ut ved å lese starten på forslaget. Vi er nemlig så pass godtroende på demokratiets vegne at vi har tro på at partiene endrer seg når lokale politikere engasjerer seg og står i front for å endre politikk. Når man har tatt opp dette i Bergen, Stavanger, Trondheim og en rekke andre steder, at man må gjøre noe, og når alle partiene i denne salen har gått for, ja så trodde jeg faktisk at det kom til å endre politikken til partiene. Derfor fremmet vi forslaget. Det er mulig at noen har mindre tro på eget partidemokrati, men jeg kommer aldri til å gi meg i kampen for at partidemokratiene også skal fungere. Vi ble nedstemt sist, men jeg hadde altså trodd at partiene hadde endret politikk ut fra hvordan partiene stemmer lokalt. Derfor fremmet vi dette Dokument 8-forslaget. Det ga oss også sjansen til å se på en annen side av saken når det gjelder de papirløse. Husk at de temaene som vi har oppe her i dag, både når det gjelder barn, Norge i et ytterpunkt i europeisk innvandringsdebatt. Det er sånn at regulariseringsvedtak er gjort i de fleste europeiske land – ja sjøl de med høyrepopulister ved makten har skjønt at man må gjøre det. Når det gjelder f.eks. forslaget om tre års botid for at barn skal få fast opphold: Det er ikke sånn at innvandringssystemet i Sverige bryter sammen sjøl om en borgerlig regjering faktisk styrer etter det prinsippet, har det i sitt regelverk og håndhever det. Det har ikke ført til noen flom av barnefamilier som ønsker å bo i Sverige. Nei, det har ikke ført til det, men det har ført til at mange barn får muligheten til å planlegge framtida si ut fra oppriktige engasjement i denne saken og ser ikke på dem som noen fiende. De som vel kanskje har dobbeltkommunisert mest i dag, er Senterpartiet, som jeg etter partilederens uttalelse virkelig ikke fatter og begriper hva egentlig mener i denne saken. Så til de forslagene som vi har lagt fram i dag. Vi har lagt fram hele smørbrødlista, i håp om at noen av forslagene kan få støtte – bl.a. om å stille sakene i bero inntil vi får stortingsmeldinga. I min naivitet trodde jeg at man fremmet stortingsmeldinger fordi man ønsket å endre politikk, ikke fordi man ønsket å drøfte en sak med parlamentet. Jeg trodde det var poenget med å fremme stortingsmeldinger, og jeg går fortsatt ut fra at det faktisk fortsatt er slik. Det å ha en midlertidig forskrift er ikke det Venstre opprinnelig ønsket seg. Vi ønsker at det barnerettslige perspektivet skal veie mer enn innvandringsregulerende hensyn. Vi fikk inkorporert barnekonvensjonen i norsk lov da vi satt med justisministeren, og vi mener at det barnerettslige perspektivet må mye sterkere inn i lovverket på dette området enn det vi ser. Vi foreslo da utlendingsloven ble behandlet, at botid i riket faktisk skulle telle. Det ble nedstemt – nå ser vi konsekvensene av det. Så må jeg si noen ord om helsehjelp – det er vanskelig når vi bare har 5 minutter. Jeg syns det er ganske nedverdigende å besøke de helsetilbudene vi har for papirløse i Norge. Den stemninga du får inn når du besøker dem, er en stemning fra et helsesystem som jeg trodde var langt unna det norske. Det regelverket vi nå har, betyr bl.a. at ingen får helsehjelp innenfor psykiatri eller psykologhjelp på skikkelig vis. Det syns jeg er skummelt at folk ikke får. Det får de ikke med dagens regelverk. Det er det vi ønsker å gjennomføre med vårt forslag. Når det gjelder barn, mener jeg at barn skal få fastlege sånn som alle andre – uansett hvilket opphold de har. Jeg vil fremme de forslagene som vi har lagt fram i salen. Jeg vil be om punktvis votering. Så må jeg avslutte: I april i 1915 i denne salen vedtok vi de Castbergske barnelover. De Castbergske barnelovene bestemte at du aldri skal dømme barn for noe som foreldre har gjort, sjøl om du syns det er umoralsk og feil. Castbergs ånd har definitivt sivet ut av denne salen, og det er ikke mye igjen av den når vi ser at vi fortsatt dømmer barn – og har gjort det i generasjoner. For mange av disse ungene er det ikke de som har rømt, det er ikke foreldrene som har rømt, men det er besteforeldrene som har rømt fra et land, men vi vil fortsatt ikke gi dem papirer. Vi skal fortsatt dømme dem for besteforeldrenes handlinger! Da har representanten Trine Skei Grande tatt opp de forslag hun refererte til. Forslagene er nummerert fra 5–12 og er omdelt på representantenes plasser i salen.

Men noen har også fått avslag. Noen mener at denne vurderingen er for streng, andre mener den er for lite streng. Det tallene viser oss, er at mellom 40 pst. og 50 pst. av dem som søker asyl i Norge, får bli. Få land har en så høy innvilgelsesprosent som Norge. Men det vi nå i realiteten diskuterer, er: Hva skal vi gjøre med dem som ikke trenger beskyttelse, som har fått avslag, som har plikt til å forlate Norge? Vi tilbyr dem en generøs tilbakevendingsstøtte hvis de reiser frivillig. I fjor reiste 1 812 avviste asylsøkere frivillig tilbake til hjemlandet, og aldri har så mange reist frivillig tilbake som i fjor. Hva gjør vi med dem som ikke reiser tilbake frivillig? Hva gjør vi med dem som har fått avslag, og som ikke har lagt fram noe som kan dokumentere deres identitet eller nasjonalitet? Noen har oppgitt ulike identiteter i ulike europeiske land. Hva gjør vi med dem som norsk politi ikke klarer å sende tilbake, f.eks. fordi deres hjemland bare vil ta imot dem som kommer tilbake frivillig? Skal vi si at du får bli i Norge utelukkende fordi du har oppholdt deg her en viss tid? Skal dette eventuelt bare gjelde for de familiene som har barn? Jeg nevner dette for å illustrere hvilke vanskelige dilemmaer vi må forholde oss til. Jeg vil virkelig advare mot å raljere med det engasjementet for personer som mange har der hvor personene har en vanskelig livssituasjon, og det er svært lett å forstå at mange lar seg berøre av enkeltsakene. Denne regjeringen, som tidligere regjeringer, må likevel forholde seg til helheten. Dette er et problem alle regjeringer har stått overfor de siste 25 årene. Derfor har også barnefamilier blitt sendt tilbake med tvang hvert år i disse 25 årene. Noen ganger har ulike regjeringer endret spillereglene for at en definert gruppe skal få bli i Norge – en form for amnesti. Det skjedde under denne statsråden i 1993, det skjedde i 1997, i 2004 og i 2007. Har vi lært noe av dette? Ja, jeg tror vi må innrømme at vi har lært at ad hoc-løsninger kan løse noen problemer her og nå, men vi har også lært at det skaper enda flere. Ad hoc-løsninger skaper forventninger om at hvis ikke min sak løses nå, så får jeg vente på neste amnesti. Det skaper også et bilde av at norsk asylpolitikk er ad hoc-preget og lite konsekvent – et bilde av at selv om du får avslag, så er det likevel godt mulig at du får bli. Det kan igjen føre til at Norge oppfattes som et attraktivt land å søke asyl i, også for dem som ikke trenger beskyttelse. Erfaringene fra de siste 15 årene viser det med all tydelighet. Noen mener at problemet «lengeværende barn» løses hvis sakene blir behandlet raskere. Jeg tror ikke det. I dag tar det halvannet til to år fra søknad til endelig avslag. Da er saken vurdert tre ganger – to ganger i Utlendingsdirektoratet og en gang i Utlendingsnemnda. Saksbehandlingstid er viktig, og jeg håper og tror at vi skal redusere denne tiden. Men vil raskere avslag føre til at flere velger frivillig retur hvis de vet at de etter tre år vil få en oppholdstillatelse? Det har kommet krav om at sakene må stilles i bero og vurderes på nytt. La meg da understreke det som burde være kjent, men som åpenbart ikke er det: Alle som har endelig avslag, kan fremme en omgjøringsbegjæring. Mange gjør det, og mange gjør det flere ganger. I veldig mange saker er oppholdsgrunnlaget vurdert både seks og syv ganger, og noen ganger flere. Som jeg har sagt flere ganger den siste tiden, er jeg åpen for å diskutere justeringer. Jeg ser for å justere dagens regelverk, men det er også gode argumenter mot å gjøre det. Jeg vil advare mot en regel som sier at etter en bestemt tid i Norge får alle en oppholdstillatelse. Regjeringen har varslet at vi vil legge fram en melding om barn på flukt før sommerferien, og dette står ved lag.

det som kan betinge et avslag, kan være fundert i, som jeg nevnte, manglende opplysninger om identitet og nasjonalitet. Det kan være falsk dokumentasjon. Det kan også være unndragelse av å opprettholde en bopel eller et bosted og at man opptrer på skjult adresse. Det kan også være andre brudd på utlendingsloven eller straffeloven. Mange av, eller alle, de sakene vi nå diskuterer, skyldes i veldig stor grad lang saksbehandling og i tillegg manglende etterlevelse av lovlig fattede vedtak. I desember 2010 la Mæland fram en NOU om en mer effektiv saksbehandling i utlendingsforvaltningen. Den var ute på høring – i hvert fall i høst, og spørsmålet er: Jobbes det – parallelt med denne – for å få på plass en mer effektiv saksbehandling? Som statsråden selv pekte på, er det ofte seks og sju behandlinger av saker, og den tiden det tar å behandle dette, gjør at barn og andre blir en del av det norske samfunnet. Det siste spørsmålet gjelder folk som faktisk har samarbeidet om retur, og som da har krav på å jobbe mens de venter på det. Har statsråden oversikt over hvor mange dette dreier seg om?
Det er riktig at Mæland-utvalgets innstilling har vært på høring, og vi jobber selvsagt med oppfølgingen av den i departementet. I tilknytning til det spørsmålet vi har til behandling i dag, er det likevel slik at det som er helt sentralt, er å sikre god og grundig individuell saksbehandling, sikre at sakene håndteres på en effektiv måte både i UDI og UNE. Her er det gjort mye godt arbeid for å få ned saksbehandlingstiden. Så ligger det likevel, selvsagt, tunge forpliktelser på oss for å sikre at grunnlaget for retur er til stede. Vi må også åpne for omgjøringsbegjæringer, slik internasjonale konvensjoner og forpliktelser tilsier. Jeg er redd for at vi vil sitte med en del av de samme utfordringene, men jeg håper at vi får til en vel så smidig løsning som den vi har i dag. Målet er selvsagt å kunne gi beskyttelse til dem som trenger det, og sikre at rammer for retur er som forutsatt.
Norske myndigheter har nå inngått en returavtale med Etiopia, et regime der menneskerettighetsutviklingen har gått fra vondt til verre. Vi vet også at etiopiske myndigheter har brukt store ressurser på å holde sine egne under oppsikt også i andre land, herunder Norge. Den 15. mars åpnet regjeringen for å tvangsreturnere etiopiske flyktninger til Etiopia. Kan justisministeren garantere at mennesker som tvangsreturneres til Etiopia, ikke blir utsatt for forfølgelse, fengsling og tortur? Det er riktig at vi har fått på plass en returavtale med Etiopia, og som forutsatt. Det er også slik at det nå har tegnet seg noe mer enn 50 personer for frivillig assistert retur, og det gir også et godt grunnlag for reetablering av deres liv i landet de kommer fra. Vi har returavtaler med land hvor på alle måter er som den burde være. Regimet i Etiopia har vi snakket om før. Vårt mål er å sikre at disse returavtalene fungerer etter hensikten. Så er det likevel slik, som jeg også har sagt, at vi har begrensede muligheter for å følge opp situasjonen etter hjemkomst. Det handler selvsagt om at norske myndigheter ikke har fullmakt til å tiltak på fremmed jord, og heller ikke at vi ser hvem som i så fall skulle ha løst en slik oppgave på en god måte. De forslagene som Venstre legger fram i dag, er og regler som den borgerlige regjeringa i Sverige forvalter. Men Arbeiderpartiet legger seg på ytterste høyre fløy, europeisk, på en rekke områder når det gjelder innvandringspolitikken – eller for å sitere Arne Strand i Dagsavisen: er derimot blitt drevet til høyre av Frps retorikk og spill på folks innvandringsfrykt. Etter hvert som Frp vokste på meningsmålingene og gjorde det bra ved valgene, har Ap ikke bare skiftet retorikk, men også politikk. Resultatet er blitt at Ap har havnet til høyre for Høyre i asylpolitikken. Arbeiderpartiet har dratt den rødgrønne regjeringen langt over mot høyresiden.» Hvordan føles det å være justisminister og forvalte en politikk som gjør at Norge blir plassert bortenfor ytterste høyre fløy i europeisk innvandringspolitikk? Jeg går ut fra at representanten Skei Grande har gått tilbake og analysert hvordan utviklingen var i de årene da Venstre satt i regjering. Under Bondevik I-regjeringen gikk tallene fra 1997 og fram til 2002 radikalt opp. Vi hadde det høyeste tallet noensinne i 2002, snaue 17 500. Da strammet den regjeringen som Venstre var med i, inn. Hvis vi også ser på hvordan det tidsvinduet som ble åpnet for barn høsten 2004, fungerte – etter min oppfatning vil jeg advare mot å tro at man sitter med en fasit på både hvor gjerdestolpene skal stå, og hvordan det er mulig på en rettferdig måte å praktisere en asyl- og innvandringspolitikk hvor man så å si flytter stolpene på dato. Jeg sier ikke at dette området er lett å forvalte, men vi skylder ikke minst barna å finne gode, robuste,

Nøden og desperasjonen gjorde inntrykk. Når vi i dag diskuterer asylpolitikk, er det viktig å huske på at det dreier seg om mennesker – om de menneskene vi ser, men også om de menneskene vi ikke ser. Barna i Shatila er blant de av verdens millioner flyktninger vi oftest ikke ser. Alle som risikerer forfølgelse, tortur eller umenneskelig behandling, har rett til opphold i Norge. Av de 9 000 menneskene som søkte asyl i fjor, fikk ca. halvparten bli. Vi har grunn til å være stolte av at vi er blant landene i Europa som gir beskyttelse til flest i forhold til folketallet. UDI og UNE fatter vedtak etter en rettssikker, grundig og individuell vurdering, basert på regler gitt av Stortinget. Et vedtak kan virke stivbeint, ja nærmest uforståelig, når f.eks. en sympatisk familie får avslag. Men uansett hvordan reglene utformes, vil noen få nei og noen få ja. Forslaget om en såkalt regulariseringsordning fikk ingen støtte i kommunalkomiteen, det er bra. For hva skal vi med lovgivning om vi med jevne mellomrom sier at vi ikke kan leve med konsekvensene? Hva skal vi med fagmyndigheter om vi systematisk setter vurderingene til side? Og hvorfor ha individuelle vurderinger om de kan settes til side av dem som ikke liker konklusjonen? Vi angripes i dag fra Fremskrittspartiet for ikke å være konsekvente nok, fra Venstre for å være for høyreorientert, og fra Høyre fordi regjeringspartiene angivelig spriker. Det er vanskelig å se for seg hvordan disse tre partiene skal finne sammen om en asylpolitikk. Regjeringen har varslet stortingsmeldingen om barn på flukt. Debatten går, og i Arbeiderpartiet ser vi argumenter for justeringer. Samtidig er det gode argumenter imot justeringer. Vi er imidlertid helt enige om at hensynet til barn må veie tungt. Det kan ikke være helt avgjørende. Da lager vi et regelverk som innebærer at voksne som oppholder seg lenge nok i Norge i strid med vedtak, får opphold om de har eller får barn. Det er ingen tjent med. Det som på kort sikt framstår som det humane og rettferdige, kan på lengre sikt vise Regler kan og må diskuteres. Det som ikke kan være tema for diskusjonen, er om vi skal ha regler, eller om regler skal følges. Et ja til opphold er et ja, men et nei må også være et nei – så lett og så
glimrende innlegg, som faktisk peker på det som flere burde vært opptatt av: å se litt på historiebiten. I siste innlegg var man inne på det. Det som i utgangspunktet virker å være humant, det som blir påpekt å være en human innvandrings- og integreringspolitikk, har slått feil. Det er akkurat det man diskuterer her i dag: resultatet av en innvandrings- og integreringspolitikk som det ble lagt grunnlag for under Bondevik I-regjeringen og justisminister Aure fra Kristelig Folkeparti. Her startet hele åpningen med hensyn til å vise verden et bilde av at Norge hadde åpnet dørene når det gjelder asyl og innvandring, noe som kulminerte med en rekord i 2002, med nesten 18 000 asylsøkere. Det er det man faktisk har oppdaget nå, at denne politikken rett og slett ikke har vært human, men inhuman. Derfor er det sterkt forståelig at mange nå reagerer på at barn er satt i en slik situasjon av flertallet i denne salen at det er direkte umenneskelig. For å rette opp denne inhumane politikken som flertallet i denne salen har stått Skal man da begynne å gi amnesti? Som statsråden var inne på, er det forsøkt i flere sammenhenger, i 1993, i 1997, i 2004 og i 2007, og det gir ingen resultater med hensyn til å redusere asyltilstrømningen til Norge. Fortsatt er det stor tilstrømning. Undertegnede – og justiskomiteen – var i Tyskland i forrige uke. asylmyndighetene på flyplassen der fikk vi informasjon om at store grupper av asylsøkere som landet i Frankfurt, hadde Norge som mål. Det er jo det totale bildet av norsk innvandrings- og integreringspolitikk det må ses på også framover, for å redusere det bildet av at vi er så og at vi er så snillistiske at vi gir over 50 pst. opphold i Norge. Det er det som trekker asylsøkere hit, og som setter barn i en slik situasjon, dessverre. Jeg mistenker ingen for å ha noe annet enn et engasjement for barn, det bør alle ha. Men jeg registrerer at SVs engasjement for barn her ikke teller så mye, når SV tar dissens på vikarbyrådirektiv, datalagringsdirektiv, postdirektiv og omdeling av brev under 50 gram f.eks. Da tar man dissens, men det vikarbyrådirektiv, datalagringsdirektiv, postdirektiv og omdeling av brev under 50 gram f.eks. Da tar man dissens, men det makter man ikke å gjøre i denne saken, som nærmest skulle bekrefte at SV var så opptatt av barns situasjon. Jeg antydet i mitt første innlegg at det var en viss splittelse internt i regjeringspartiene, i og med at det kun er i mitt første innlegg at det var en viss splittelse internt i regjeringspartiene, i og med at det kun er avlevert en merknad, nemlig at regjeringens politikk står fast, at Soria Moria-erklæringen er der fortsatt. Etter å ha hørt debatten så langt må jeg vel si at jeg fortsatt sitter med det inntrykket Men jeg skal ikke legge skjul på – som Håkon Haugli sier – at det er betydelige utfordringer også i opposisjonen i forhold til å være enige om prinsippene her. Men nå er det faktisk slik at det er regjeringen som styrer, og det er regjeringen som legger fram saker for denne sal. Nå synes jeg egentlig at den største nyheten vi har fått i dag, er at justisministeren uttrykkelig har fastslått fra denne talerstol at meldingen om barn på flukt kommer før sommerferien. Vi behandlet altså en sak fra Venstre 29. mars i fjor, og da var – jeg holdt på å si – hovedforsvarslinjen til regjeringspartiene at ja, det kommer snart en melding om barn på flukt. Snart er det gått ett år, et nytt Dokument 8-forslag er presentert, og nå får vi i hvert fall en bekreftelse på dette. Nå har jeg hørt statsråder før si fra denne talerstol at det kommer før ferien. Navarsete gjorde det noen ganger om stat- og kommunemeldingen. Den kom da ett år etterpå. Men jeg håper at justisministeren er mer ordholden. Så var det Lise Christoffersen som mente at Trond Helleland og Erna Solberg var uenige, så det var splittelse også i Høyre. Nei, overhodet ikke, vi har begge sagt at vi forutsetter at alle saker der barn er involvert, blir behandlet individuelt, at det blir lagt vekt på den bestemmelsen som sier at det skal tas særlig hensyn til barns tilknytning til riket, og hvis det ikke er gjort en slik vurdering, må Utlendingsnemnda selvsagt foreta en ny vurdering. Det er selvsagt. Når det gjelder Venstres forslag som er fremmet i dag, vil som sagt – som jeg rakk å si i en bisetning – Høyre støtte forslag nr. 9. Det tror jeg også kan være nødvendig etter å ha hørt justisministeren. Det er naturligvis litt vanskelig å svare på hva som er «innvandringsregulerende hensyn» i en replikk på 1 minutt, men det kunne vært nyttig for Stortinget å få det mer konkretisert, f.eks. da i stortingsmeldingen om barn på flukt. Høyre ønsker ikke å gi et generelt amnesti, vi ønsker ikke å innføre et tidsavgrenset opphold, eller at du får opphold hvis du har sittet lenge nok. Vi ønsker at vi får en mer effektiv saksbehandling. Det mest inhumane er å la folk sitte i mottak, eller at de sitter uten å ville reise hjem igjen i årevis, fordi de venter at Stortinget til slutt skal gripe inn og gi amnesti. Det er inhuman politikk, og det håper jeg at denne sal ikke begir seg inn på. Norge er verdens beste land å bo i. Hvem vil ikke la barna sine vokse opp her? Vi som foreldre ønsker alt godt for barna våre, og i Norge har vi muligheten til det. Her har vi barnehage, skole, høyere utdanning og mulighet for en framtid med jobb og familie. I dag blir vi fem millioner nordmenn, og vi har plass til flere. Jeg var med representanten Håkon Haugli og resten av komiteen og besøkte flyktningleirer i både Jordan, Syria og Libanon. Jeg har sett hvor kummerlig de har det, og det er svært små framtidshåp når du er en jente på seks år og er fjerde generasjon flyktning i flyktningleiren Shatila i Beirut. Jeg ønsker derfor at Norge skal bestrebe seg på å ta imot flere kvoteflyktninger enn rundt de 1 100 som vi tar imot i dag. Mennesker kommer til Norge og søker asyl. De som har krav på beskyttelse, skal få opphold. De som ikke frykter for sine liv i hjemlandene, eller som ikke oppfyller vilkårene for å få opphold på humanitært grunnlag, må reise hjem. Slik er det, og slik må det være for ikke å undergrave asylinstituttet og dem som virkelig trenger vår beskyttelse. Det er svært viktig at de som søker asyl i Norge, får en rask – men god – saksbehandling. Dette gjelder særlig i saker hvor barn er involvert. Skal UDI få til en rask saksbehandling, er det selvsagt et pluss at de som søker asyl, er behjelpelig med å dokumentere hvem de er. Det er dessverre ikke alltid tilfellet at de som søker om asyl, gjør det, eller har ID-papirer. Det forlenger selvsagt saksbehandlingstiden. Regjeringen har derfor jobbet for å bygge opp en enhet som skal hjelpe staten med å fastslå ID på asylsøkere og verifisere dokumenter i saken, Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter. Dette er et konkret tiltak som vil bedre rettssikkerheten og bidra til en raskere saksbehandling. Nå kommer stortingsmeldingen om barn på flukt til Stortinget, og da er det viktig at vi som politikere ser på helheten, tar inn over oss og legger vekt på at asylpolitikken skal ha barns situasjon som ett av sine hovedpunkter, at barns beste skal være vektlagt, og at vi får en politikk som står seg over tid, for det som er blitt referert fra talerstolen her de tidligere gangene det er gitt amnesti, er at det ikke hjelper de barna som ikke er kommet til Norge Vi kan få en situasjon der flere hundre barn sitter i mottak og ikke har en bra framtid, og at saken ikke er avklart. Når vi får stortingsmeldingen til behandling her, må vi jobbe med å legge til rette for at barns beste blir vektlagt i asylpolitikken.
Vi i Senterpartiet har hatt et engasjement i denne typen saker i mange, mange år. I 2004 fremmet tidligere stortingsrepresentant Rune Skjælaaen og Magnhild Meltveit Kleppa et forslag sammen med to representanter fra SV om å innføre et amnesti for barn som hadde vært i Norge lenger enn i tre år. Det ble da løftet fram i debatten at dette skulle være et engangstilfelle, at man etterpå skulle rydde opp slik at det ikke skulle komme liknende tilfeller igjen. Dessverre har historien vist oss at det har kommet liknende tilfeller igjen. Så fremmet Bjørg Tørresdal og Jon Lilletun et Dokument nr. 8-forslag høsten 2005. Jeg var så heldig å være saksordfører under Dag Terje Andersens myndige ledelse av komiteen. Vi behandlet saken 14. juni 2006 her i salen. Det som da var intensjonen til stortingsflertallet – et bredt flertall som også involverte Kristelig Folkeparti og Venstre – var at vi skulle lage en varig endring, i motsetning til det som skjedde i 2004, som var en engangsendring for de barna som hadde fått avslag før 1. juli 2003. Men i 2006 ønsket vi å lage en varig endring som skulle stå seg framover. Regjeringen svarte med sin forskriftsendring i juli 2007. Takket være den endringen som da skjedde, fikk hvis jeg ikke husker helt feil – 900 personer opphold. Og den endringen står fortsatt. Det er en varig endring, og det er det vi må få til i asylpolitikken – en forutsigbar og varig politikk, der vi justerer kursen. Det gjorde vi i 2007, og vi, regjeringspartiene sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre, svekket også kravene til opphold på humanitært grunnlag fra «særlig sterke menneskelige hensyn» til «sterke menneskelige hensyn». Jeg er veldig fornøyd med gjorde. Vi skulle altså ta sterkere hensyn til barn, og vi ønsket å ha en varig endring. Vi gjorde også to, tre andre endringer i den forskriften med bakgrunn i det Dokument nr. 8-forslaget. Derfor er Senterpartiet skeptisk til det forslaget som foreligger fra Venstre i dag, om at vi skal ha en generell regel på tre år. Vi mener at en sånn type treårsregel vil slå for tilfeldig ut. Vi mener at vi må ha et sterkt og godt lovverk som fanger opp barns situasjon i lovverket, og vi gjorde det i forskriftsendringer, og vi gjorde det i forslag til ny utlendingslov i forrige periode. Hvis man ser at det er ting i dagens lovverk man ikke er fornøyd med, så må man justere det, stramme det opp, men vi ønsker ikke en treårsregel, for vi er redd for at det gir feil incentiv, og at det dermed over tid blir flere barn i mottak, ikke færre barn i mottak. Vi mener at de endringene som vi sto i spissen for i forrige periode, var av det gode for barnefamilier, og at det sikret barns rettigheter bedre enn det som var situasjonen før vi overtok. Noe av det mest gledelige i forhold til da vi hadde debatten sist, i 2006, er at saksbehandlingstiden har gått så mye ned. Et hovedpoeng da var nemlig raskere saksbehandlingstid, å styrke barns rettsvern og i tillegg raskere bosetting av barn i mottak og selvfølgelig også raskere

Globalt anslås det at over 200 millioner regnes som migranter. Vi lever etter hvert i en tid med mindre konflikter og fredeligere tider, og det burde derfor være håp om at antall flyktninger vil gå ned, og at flest mulig land utvikler mer stabile forhold og demokrati for all verdens innbyggere. Jeg er trygg på at regjeringen fører en konsekvent, rettferdig og rettssikker flyktning- og asylpolitikk. Norge får de beste skussmål av UNCHR for behandlingen av asylsaker. Norge som rettsstat bruker, i motsetning til mange andre land, både ressurser og mye kompetanse for å håndheve en lov som åpner for bruk av skjønn. Alle saker hvor barn er involvert, er vurdert, og det er ikke funnet grunn til å gi beskyttelse til disse etter en helhetlig vurdering. Det at asylsøkere har eller får barn, ikke oppholdsgrunn i seg selv. Asyl gis på bakgrunn av behovet for beskyttelse. Alle saker prøves og vurderes ut fra disse forhold. Norge ga i fjor opphold til 52 pst. av de 9 053 som søkte og påberopte seg behov for beskyttelse. Det er utfordrende å registrere at mange ikke reiser etter å ha fått endelig avslag. Mange omtaler disse som «papirløse», men det er ikke et riktig begrep, fordi de er ikke uten papirer. Alle som har fått sine søknader og ankesaker behandlet med negativt utfall, er pliktig til å reise hjem, selv om de ikke ønsker det. Derfor er forslagene fra opposisjonen i dag inkonsekvent all den tid de undergraver håndhevelsen av norsk lov, vedtatt i Det er for meg litt underlig å registrere at Fremskrittspartiets talsperson, Morten Ørsal Johansen, vingler fram og tilbake i disse spørsmålene i ulike medieutspill. Dagens asylpolitikk må ikke undergraves ved å kreve enda flere runder med behandling av disse sakene. Jeg er glad for at regjeringen har prioritert returpolitikken og bistått mange mennesker til å reetablere seg i sine hjemland med gode støtteordninger. Bare nå er det kommet på plass hele 28 returavtaler, og mange reiser frivillig, noe som er svært positivt. Aller først en liten svipptur innom representanten Trygve Slagsvold Vedums innlegg, hvor han uttrykte at han var meget godt fornøyd med de endringene som ble gjort i 2007, hvor det ble presisert at barns beste skal ivaretas. Ja, faktisk så er lovverket bra! Lovverket er bra. Det som ble vedtatt i 2007, er bra. Problemet er at praksisen som føres, ikke er i henhold til det som ble vedtatt i Stortinget i 2007. Og når regjeringen ikke gjør noen ting i forhold til praksisen, er det ikke rart at vi har de debattene vi har, og at det kommer slike forslag som vi behandler i dag. Loven er i utgangspunktet god, men praksisen har endret seg. Dette er en bekymring som Kristelig Folkeparti har hatt over lengre tid. I sitt innlegg sier justisministeren at hun kan være åpen for justeringer. Det er kanskje det første positive signalet som er kommet så langt både i det offentlige ordskiftet, i mediedebatten der ute, og her. Det gir håp om at det kanskje kan komme noen justeringer som gjør at vi ivaretar barn på en bedre måte enn det vi gjør i dag. Mitt spørsmål blir allikevel stående: Hvorfor i all verdens rike kan vi ikke stille saker i bero når det gjelder lengeventende barn, til vi har fått behandlet stortingsmeldingen om barn på flukt og sett på hva slags justeringer På mitt spørsmål om Etiopia, om justisministeren kan garantere at de som blir tvangsreturnert til Etiopia, ikke blir utsatt for forfølgelse, fengsling og tortur, svarer hun at norske myndigheter har få muligheter til å drive den type undersøkelse på fremmed jord. Ja, men det gjelder ikke bare norske myndigheter – også menneskerettighetsorganisasjoner i Etiopia begynner å slite. Det skal vi ta inn over oss når vi nå har inngått en returavtale med et regime, som jeg sa i sted, hvor menneskerettighetsutviklingen har gått fra vondt til verre. Til Venstres forslag: Jeg sa i mitt forrige innlegg at vi kommer til å støtte dem. Jeg ser problemet med å sette tre år som en slags magisk grense – det kan faktisk være barn som er godt integrert, som har vært her kortere enn tre år – men jeg ser behovet for at vi må sette foten ned og begynne et sted, slik man har gjort i Sverige. Når det gjelder helsehjelp, er det sagt at det er ivaretatt. Vel – innenfor psykisk helsevern er det store utfordringer. Bare noen kommentarer. Det er tydelig at jeg har gjort meg skyldig i en misforståelse om situasjonen i Høyre. Det er ikke splittelse i Høyre. Det er ikke Erna Solberg som er uenig med Trond Helleland, men det er Erna Solberg som ikke er helt enig med seg selv. Jeg leste nemlig på nettet rett før jeg gikk inn i salen at Erna Solberg er helt enig med Jens Stoltenberg i disse spørsmålene. Da er det jeg refererer til det første innlegget – snakkes det her som om barns beste ikke tillegges vekt i det hele tatt i disse sakene, og det stemmer jo ikke. Det er jo sånn at en først vurderer om det er grunnlag for beskyttelse. Hvis ja, så får man opphold, og saken er for så vidt grei. Så er det de sakene hvor en ikke har behov for beskyttelse, men hvor det til tross for et nei blir gjort en ny vurdering for å se om det er grunnlag for opphold ut fra sterke menneskelige hensyn. Da skal barns beste – og det er det også – være et grunnleggende prinsipp i behandlingen. Man tar hensyn til barnets alder, hvor lenge barnet har vært i Norge, en tar hensyn til språk, kultur, om det er et barn som er spesielt sårbart, f.eks. nedsatt funksjonsevne, hvor lenge det er siden barnet har vært i sitt opprinnelige hjemland eller i foreldrenes hjemland – hvis vedkommende barn overhodet har vært der og så kan altså innvandringspolitiske hensyn tillegges vekt. Da er jo spørsmålet om et ja i den konkrete saken vil kunne føre til – ut fra likhetsprinsippet – at flere må få bli, eller at flere kommer. Hvis ja på det spørsmålet, kan det til en viss grad trumfe de spørsmålene som er stilt, med utgangspunkt i barns beste, i er innvandringspolitiske hensyn. Hva det er, er for øvrig ellers beskrevet ganske godt i Ot.prp. nr. 75 for 2006–2007, så man kan lese om det der. Det er sånn at flere voksne med barn enn voksne uten barn får opphold med utgangspunkt i sterke menneskelige hensyn. Det betyr jo at barns beste blir tillagt vekt. Men det kan være vanskelig å lese vektingen mellom de forskjellige ut av enkeltsaker. Meldingen kommer derfor til å svare på hvordan Stortingets forutsetninger om økt vekt på barns beste har blitt ivaretatt etter at ny utlendingslov trådte i kraft. Jeg føler i hvert fall – med mitt kjennskap til disse sakene – at jeg ikke helt klarer å svare på det spørsmålet, og da lurer jeg litt på hvordan Kristelig Folkeparti kan være så sikre på at det har gått den andre veien.

I debatten har justisministeren avvist å stille saker i bero i påvente av denne meldingen. Hun har etterlatt et inntrykk av at det ikke er nødvendig fordi man kan ikke forvente store endringer i politikken. Jeg har lyst til å minne om at sist gang det skjedde endringer i politikken på dette området, som representanten Slagsvold Vedum var inne på, skjedde altså det her i Stortinget. Vi hadde den rød-grønne flertallsregjeringen, men det var i Stortinget, i et samarbeid mellom Kristelig Folkeparti, regjeringspartiene og Venstre, man ble enig om det som nå er utlendingsloven med forskrifter, og som stiller krav om at man ved vurdering av sterke menneskelige hensyn skal foreta en selvstendig behandling basert på barnas beste. Opphold kan gis dersom barnet har opparbeidet sterk tilknytning til riket som følge av lang botid. Jeg tror det er klokt av justisministeren å holde mulighetene åpne for, selv om regjeringen kanskje ikke har planer om å justere politikken, at Stortinget ønsker å behandle meldingen og forholde seg til de opplysninger som regjeringen legger fram, drøfte om det er behov for å innskjerpe den politikken et flertall på Stortinget har fastlagt. Det er Stortingets suverene rett, og derfor kan man ikke forskuttere behandlingen her i Stortinget, hvis statsråden på noen måte har hatt en intensjon om det. Det håper jeg ikke var tilfellet. Det var representanten Jon Lilletun som sammen med Bjørg Tørresdal reiste denne saken en av de siste han reiste – i Stortinget, og det er veldig viktig for Kristelig Folkeparti at denne politikken blir gjennomført i praksis. Når vi er i tvil om dette, er det jo fordi det er mange eksempler på at barn med lang botid og sterk tilknytning til Systematikken i dette bildet får regjeringen full anledning til å legge fram for Stortinget i meldingen. Da får Stortinget ta stilling til det hovedspørsmålet som her ligger. Det som er helt avgjørende for Kristelig Folkeparti, er at vi står fast ved de forpliktelser som Norge har – i sin egen lovgivning, i FNs konvensjon om barns rettigheter. Det å leve med en mangeårig, uavklart situasjon rammer barn og unge sterkt. Barn i mottak blir frarøvet muligheten til å ha en barndom når asylprosessen tar lang tid. Dette må vi forsikre oss om ikke får lov til å fortsette, på tross av den politikkendringen som Stortinget foretok i
Det har vært en god debatt, som har belyst saken på flere forskjellige punkter. Jeg tenkte bare jeg skulle presisere noe av det som alle som står på en rettssikker asylpolitikk, mener skal være grunnleggende prinsipper. Det ene er at alle mennesker har rett til å få behandlet sin asylsøknad. Det skal være sånn at folk som får opphold, får muligheten til å bosette seg og bo i en kommune. Folk som får avslag, skal reise hjem, enten frivillig eller gjennom retur ved norske myndigheter. Det er helt riktig at en av de tingene som har vært veldig positivt den siste tiden, har vært at vi har fått igjennom at flere mennesker reiser fra Norge, enten ved at vi sender dem ut, eller – aller helst – ved at de reiser frivillig. Vi har – som justisministeren var inne på – sagt veldig tydelig at her har vi hatt en positiv utvikling. Det andre er at vi har rask saksbehandlingstid. Det tjener alle på. Enten en skal få opphold eller skal få avslag, er det i både barns og voksnes interesse at de som får avslag, og skal ha avslag, får det raskt. Det å ha søkt om beskyttelse i et land og oppleve å bli sittende lenge er uansett tap av tid i et menneskes liv. Og det er mange mennesker som har mistet mye tid. Vi har også på dette området sørget for at vi har fått raskere Det siste gjelder barn. Det er et grunnleggende prinsipp vi har, som gjelder både i barnekonvensjonen og i det som Stortinget vedtok, og som ble lagt til grunn i utlendingsloven, nemlig at barn ikke skal stilles ansvarlig for foreldrenes valg. Det er barna vi som stat skal ta hensyn til – vi skal ta hensyn til barna. Hensynet til barnets beste skal være et grunnleggende hensyn. Det legger vi til grunn når vi har barnevernssaker. Foreldre tar mange gale valg. Likevel sier vi at da griper vi inn som stat og sørger for å ta mest hensyn til barna. Det er det vi må gjøre også i de saker der foreldre velger å la være å returnere til land og vi som norsk stat ikke er i stand til å sende dem ut. Dette har lenge gjeldt land som Etiopia, men også land som Eritrea, som regnes som et av verdens aller verste diktaturer. får vi ikke sendt voksne. Vi får følgelig ikke returnert folk, og det skaper en situasjon der barnefamilier blir sittende her lenge. Så kan vi si at vi vil at foreldrene skal reise ut, og det mener jeg – det sier vi, det sier den norske stat – og da skal de reise ut. Men når de ikke gjør det, må på et eller annet tidspunkt hensynet til barnet veie tyngre enn det at foreldrene tar gale valg. Det er dette vi diskuterer her i dag. Som justisministeren sier, vi skylder disse barna en god, robust og varig løsning. Det er jeg helt enig i. Til slutt vil jeg bare si til Per Sandberg, som ønsker at vi skal ta dissens: Det å ta dissens er å slippe å ha hånden på rattet. Hvis vi skulle gjort det, hadde vi hatt like liten politisk innflytelse som Fremskrittspartiet. Og det har vi i SV ikke til hensikt å ha. Geir Jørgen Bekkevold har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Representanten Lise Christoffersen stilte spørsmål om hvordan Kristelig Folkeparti kunne vite at barns hensyn ikke blir ivaretatt. Vel, ved å ha lest flere avslag på asylsøknader der lengeboende barn er involvert, og ved å lytte til organisasjoner som arbeider på dette feltet, er det inntrykket jeg har, at barns beste ikke blir ivaretatt, slik loven av 2007 forutsetter. Flere avslag er som dette. Utlendingsnemnda legger etter dette til grunn at barna har opparbeidet seg tilknytning til riket, noe som skal tillegges særlig vekt ved vurderinger av om familien skal kunne gis oppholdstillatelse. Nemnda har likevel kommet til at innvandrerregulerende hensyn må tillegges avgjørende vekt i denne saken. Dette er ikke et enkeltvedtak, dette nesten blitt en gjennomgangstone. Lise Christoffersen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,
Det er akkurat det som representanten Geir Jørgen Bekkevold tar opp her, som det er så viktig å få dokumentert kunnskap om, og ikke bare ha en følelse av. Dette er litt for viktig til bare å basere seg på hva en har en følelse av, er realitetene. Men dette var egentlig til Venstre – jeg fikk hva som skal skje med dem som ikke kommer seg gjennom Venstres overgangsvindu. Siden jeg ikke fikk svar på dette spørsmålet, har jeg et spørsmål til: Når Venstre foreslår at alle barnesaker som er over tre år gamle, skal stilles i bero, hvor mange av disse barna skal egentlig få bli? I henhold til Venstres mening skal alle få bli. Hvis ikke, hva skal på en måte være kriteriet for at noen og andre ikke? Er det ikke betenkelig å skape nye forhåpninger hos folk ett år til, et halvt år til – for så å si nei, du får ikke bli
Jeg er opptatt av å få fram at hensynet til barn selvsagt veier tungt, men at det likevel dessverre ikke er slik at det alltid er avgjørende. Når jeg hører referansen til Bondevik-regjeringene, har jeg lyst til å si at etter året med topp i drøye 17 400, kunne vi se året etter at det bare var 27 pst. av sakene som ga innvilgelse, året deretter 29 pst. Det betyr at det var hele 8 564 som fikk avslag samme året. Barneandelen har vært ganske konstant, nemlig 30 Så realiteten er nok at med en innvilgelsesprosent på nå 52 og foregående år på mellom 40 og 50 kan likevel situasjonen være at det faktisk nå er flere barn som har fått opphold i Norge. Utlendingsforskriften ble endret med varig virkning våren 2007. Det er den som gjelder fortsatt. Det grunnleggende er å sikre beskyttelse til dem som trenger det, sikre at de som har humanitære grunner for opphold, også får det. Og så er det det dilemmaet vi har når vi ikke gir opphold til alle: Hvordan håndterer vi dette vanskelige spørsmålet best for å sikre likebehandling, rettferdighet og som kanskje også er noe av det viktigste for ikke å henge opp fristelser vi ikke klarer å levere på overfor de mange som skulle ønske for seg og sin familie et bedre liv, og kanskje også derfor søker om opphold i

vi behandlet saka i 2008, uttrykte Venstre en bekymring for at det regelverket som ble vedtatt da, bare var kosmetisk og ikke ville få de følgene som man snakket det opp til å få i denne salen. Det viste seg at vi fikk rett. Det som bekymrer meg i denne debatten, er det lemfeldige forholdet man har til bruken sier NOAS om statsministerens framleggelse av tall at han «leker med tall uten empiri». Det er ikke noe grunnlag i tallene for at man vil få en bølge om man gjennomfører de lovendringene vi har foreslått. Som UNE-direktøren uttalte i Aftenposten i helga: Det er ingen grunn til å tro at noen får barn for å bli. De bølgene man har hatt, og som statsråden viste til, er så misvisende som det går an. Den første bølgen som kom da vi satt i regjering, var østeuropeere, som skulle ut i løpet av 24 timer. Vi innførte 24 timers saksbehandling og teltleir og rett ut og tilbake igjen. Det var den bølgen som kom. Den andre bølgen man snakker om, er fordi det er krig i verden. Da kom somaliere, da kom irakere, da kom afghanere. Det er på grunn av krigsbølgene. Det er mulig at denne salen har en litt oppskrudd holdning av hvor viktig man er i forhold til følgene det får rundt omkring i verden av det man vedtar. Men det er faktisk sånn at krig er den største grunnen til at folk havner på flukt. Det er mulig det er en stor overraskelse for denne salen, men sånn er det faktisk. Så til overgangsvinduet. Vi vil ha vi vil ha et reglement som gjelder alle. Det er UNE som bestemmer hvem det er som skal inn, og hvem det er som skal ut, ikke vi. Men vi vil at det barnefaglige skal tillegges større vekt. Det har vi blitt nedstemt på gang på gang i denne salen. Vi vil ha regler som gjelder alle. Vi vil ikke gjøre sånn som regjeringa gjorde i Maria Amelie-saken, da det var et stort press der ute, det var én person som det var masse oppmerksomhet om – da endrer man reglene som gjelder for fire–fem eller kanskje seks. Vi vil ha regler som gjelder for alle, ikke for enkeltpersoner som er masse framme i media. Vi vil ha de samme reglene som man har i Sverige, der den borgerlige regjeringa gjennomfører akkurat det som vi ønsker. Det har ikke ført til noen bølge, det er ikke noe empirisk grunnlag for å påstå det. Kanskje det jeg er mest skuffet over i debatten sånn som det er i dag, er Senterpartiets stortingsgruppe, som tydeligvis har dolket sin partileder i ryggen. Her syns jeg partilederen burde ha fått rett når hun har uttalt at sakene bør komme på vent til man får det nye regelverket. Jeg håper fortsatt at stortingsmeldinga vil by på noen endringer. Hvis ikke mener jeg at regjeringa tuller med parlamentet. Det bør ikke regjeringer gjøre. [15:58:06]: La meg først få lov til å si til representanten Skei Grande at jeg er uenig med Strand i Dagsavisen når han konkluderer med at Arbeiderpartiet har knyttet seg nesten til høyre for Fremskrittspartiet når det gjelder innvandrings- og integreringspolitikken. Der tror jeg Arbeiderpartiet har en lang vei å gå. Det gjenspeiler også litt av debatten. For det er en viss forskjell på alle de andre partiene og Fremskrittspartiet i disse typer debatter. Når man sier at man enten ønsker amnesti eller ønsker varige endringer, blir resultatet det samme uansett hvilket vedtak man gjør: Man reduserer og svekker asylinstituttet slik at flere får opphold. Og når flere får opphold og asylinstituttet – det norske asylinstituttet – svekkes, må man ikke i dette hus tro at det ikke er et signal til alle de menneskene som er på flukt av ulike årsaker rundt omkring i verden, og derigjennom vil det bli enda mer trykk på norske grenser for å få asyl. Så uansett hva man måtte falle ned på, vil det etter min oppfatning og min erfaring i dette huset svekke asylinstituttet, slik at flere får opphold i Norge. Det er det som er en av de store utfordringene enten vi snakker om barn eller vi snakker om andre grupper. Det er inhumant at 3 800 barn bor på mottak. Det er inhumant at det per 31. desember bor nesten 16 000 mennesker på norske asylmottak. Det er også helt uansvarlig at vi har 18 000 mennesker som oppholder seg her illegalt. Men da må det kanskje komme noen innrømmelser dem som har hatt politisk vilje til det og et ønske om at sånn skal det være. Det er altså slik at det store flertallet i denne salen har stått samlet om de overliggende linjene i norsk asyl- og integreringspolitikk. Da er det rart at man er så uenig nå, når man innser realitetene og konsekvensene av sin egen politikk. Det er kun det som er realiteten. Det var ikke min intensjon å provosere Heikki Holmås. Jeg tror 100 pst. på Heikki Holmås’ og SVs engasjement, men det ville blitt desto verre, og vi ville hatt større utfordringer og enda flere barn i denne situasjonen hvis SVs innvandringspolitikk hadde blitt vedtatt i sin helhet. Poenget er at vi må slutte å gi flere og flere falske forhåpninger om at de på et eller annet tidspunkt vil få lov til å bo i dette landet. Det er det som er de store utfordringene, og derfor burde det kanskje komme noen flere innrømmelser enn det som nå kommer. Representanten Trine Skei Grande ble ivrig i sitt innlegg og med diverse beskyldninger. Det er ingen tvil om at Senterpartiet har hatt en lang linje i spørsmålet om barns situasjon i norsk utlendingsforvaltning – vi har en lang historie. Det var Senterpartiet, sammen med SV, som sto bak et Dokument nr. 8-forslag i 2004, for vi ønsket å rydde opp. Det var intensjonen til Stortinget at nå skal vi rydde opp, nå skal vi få fortgang nå skal vi ikke komme opp i denne type situasjoner igjen. Men dessverre gjorde vi det. Neste gang vi hadde denne type stor sak til behandling i Stortinget, hadde vi erfart at det å gi ensidig amnesti på et visst tidspunkt ikke var noen varig, god løsning. Derfor var vi opptatt av – da jeg fikk saksordførerskapet til denne saken som Bjørg Tørresdal og Jon Lilletun fremmet – å lage en varig endring i utlendingspolitikken som skulle skape forutsigbarhet for barnefamilier og likebehandling. Venstre – hvis vi går tilbake til debatten om den endringen vi gjorde i utlendingsforskriften – stilte seg fullt og helt bak den innstillingen. Det var André N. Skjelstad som hadde ordet for Venstre i den debatten, og han støttet opp om de endringene som det da ble lagt opp til. Den endringen står fortsatt. Så må vi kunne diskutere her i stortingssalen: Er det nå noen justeringer? Er det noen argumenter som taler for det i dag? Er det argumenter som taler imot det? Den debatten må vi gå inn i, for dette er et område som er så viktig at vi hele tiden må diskutere tidligere vedtatt politikk som Venstre, Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har stått sammen om, og som har gitt en varig endring. Erfaringene fra 2004 er grunnen til at vi ikke stemmer for forslaget til Venstre i dag om å lage en generell regel: Hvis man har vært her i tre år, så skal man få bli. Vi mener at det slår for tilfeldig ut, og at erfaringene fra 2004 ikke er gode. Erfaringene fra 2007 er mye bedre. Vi laget varige, forutsigbare og gode endringer, og så må man eventuelt diskutere om man skal gjøre justeringer der. Men vi mener at hovedlinjen bør være den som vi la oss på da vi behandlet Dokument nr. 8-forslaget fra Lilletun og Tørresdal. Representanten Heikki Holmås har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.
Tre momenter vil jeg ta opp helt på slutten av debatten. Det ene er det enkle og litt spesielle ved at Fremskrittspartiet nå tar til orde for, slik som Per Sandberg gjør, at det er «inhumant» at det bor 3 800 barn i asylmottak. Det er «inhumant» at det bor 16 000 mennesker i asylmottak, og så vil han fengsle dem i stedet – ved å putte dem i lukkede mottak. Det er unektelig litt spesielt å høre på Det andre jeg vil si, er at vi har hatt en stor og bred diskusjon der mange har hevdet at norsk asylpolitikk – Fremskrittspartiet har hevdet at norsk asylpolitikk befinner seg i den ene enden av skalaen – er veldig åpen og veldig liberal. Det er ikke riktig. Hvis man går inn og ser på dette i sammenlignbare land – som regjeringen sier i regjeringserklæringen at den ønsker vi skal gjøre – ligger vi noen ganger på en litt mer liberal, eller litt mer human linje, mens i andre sammenhenger er vi strengere. Derfor er dette noe vi må bruke som politikk, også for å dreie politikken vår i en mer human retning i noen sammenhenger. Vi mener at det er nødvendig i forhold til barn. Representanten Per Sandberg har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. En kort merknad: Det eneste jeg ønsker å si, er at representanten Heikki Holmås ikke på noen måte har grunnlag for å påstå at Fremskrittspartiet vil ønske å fengsle noen som helst. Det er en usaklig kommentar. Resultatet hadde vært helt annerledes hvis Fremskrittspartiet hadde fått styre norsk asyl- og integreringspolitikk gjennom de ti siste årene. Da hadde vi ikke hatt over 3 000 barn i norske